i denne saka. Mitt spørsmål til statsråden er: Kva vil statsråden gjere for å rette opp det som sivilombodsmannen peiker på i sitt
Nå har jo også det brevet blitt besvart, og i det svaret påpeker vi en del viktige forhold som vi mener også burde være en del av de vurderingene som ble gjort fra sivilombudsmannen. Så det er ikke slik at det er fasiten som er omtalt i det brevet som er sendt fra sivilombudsmannen. Det er bl.a. forhold knyttet til delegasjon – en delegasjon som har funnet sted i Norge i relativt mange år. Men når det gjelder nettopp det, syns jeg – uavhengig av det brevet – at det er interessant og lurt å se på forholdet mellom beslutninger tatt i underliggende etater og beslutninger som kanskje kan tas mer direkte i departementet. Det er en prosess som går, litt uavhengig av brevet fra sivilombudsmannen.

hva Enova, Gassnova og NVE skal gjøre; de hadde kun ansvaret for nett. Men for Stortinget kan jo ikke det være et tilstrekkelig svar. Så da blir spørsmålet: Har statsråden sikret at Statnett, NVE, Gassnova, Enova og andre aktuelle aktører har satt seg ned sammen og sett på hvilke andre alternative tiltak som finnes på kraft, produksjon og forbrukssiden som kunne ivaretatt det samme målet om forsyningssikkerhet for Bergensregionen? Det er jo ingen andre tiltak som fullt ut kan erstatte det å få en tredje tilførsel til Bergensområdet på plass. Det sikrer både det beredskapsmessige behovet, ved at en får en sikrere tilførsel, og det sikrer også næringsutviklingsbehovet knyttet til produksjon av kraft sommerstid i regionen. En løsning som i større grad er basert på intern kraftproduksjon i regionen, ville ikke gitt en tilsvarende mulighet for næringsutvikling knyttet til eksport av energi sommerstid. Så når en ser summen av behov som er her, er det å sørge for en bedre infrastruktur rundt strøm i regionen den beste

ikke bare sjøkabel som et alternativ, men også andre alternativer i forhold til luftspenn. Nå har det gått noen måneder, og vi har ennå ikke fått svar på dette brevet. Nå bruker jo riktignok NVE fem år på å saksbehandle småkraftsøknader – jeg vet ikke om saksbehandlingskapasiteten i Olje- og energidepartementet og hos statsråden er like sprengt. Vi hadde jo forventet å få et svar. Så kanskje statsråden kan gi et svar nå, eller i hvert fall gi et svar på når vi kan forvente å få svar på vår henvendelse.

nettopp det i svaret til representanten Solvik-Olsen. Det er jo klart at det teknisk er mulig å øke produksjonen, f.eks. basert på gasskraft i Bergen-området. Det går det an å gjøre et politisk vedtak på, og slik sett øke sjølforsyningsgraden i området. Som jeg sa i mitt forrige svar, vil neste utfordring dukke opp knyttet til kraftutveksling sommerstid, når produksjonen i området er mye høyere enn den er i dag, og forbruket er lavere. Først: Hvis jeg feilinformerte i mitt innlegg, beklager jeg selvsagt det og skal gå tilbake og sjekke kilden. Så til spørsmålet: Selv om statsråden så vidt berørte Venstres forslag i sitt innlegg, så vidt berørte Venstres forslag i sitt innlegg, har jeg likevel lyst til å utfordre ham litt på det. Det går på endring av energiloven, som åpner for mer jord- og sjøkabling i verdifulle naturlandskap. Det er omdelt i salen her i dag. Hvilke vurderinger gjør statsråden seg?

men det er mange som ikke vil ta konsekvensene av det. En kommer ikke bort fra at hvis en skal øke produksjonen av fornybar energi i Norge, vil det bety master. Det vil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

som vi har i Hardanger og andre steder i landet, kan tas bedre vare på enn det regjeringen foreløpig har lagt opp til. Dette generelle forslaget fra Venstre om endringer i energilov og utsatt oppstart av anleggsarbeid har jo først og fremst sitt utspring i den enorme debatten vi har hatt og fortsatt har om det som er blitt omtalt som monstermaster i Hardanger. Den saken handler om svært mye, men det tillater ikke tre minutter å gå inn på. Den handler i hvert fall om inngrep i nasjonale naturskatter, den handler om hvordan staten på den ene siden håndterer store utbygginger av linjenettet som medfører betydelige naturinngrep, og hvordan grunneiere lokalt og regionalt opplever å bli behandlet når de skal gjøre inngrep og endringer i egen eiendom. Saken om mastene i Hardanger handler også om avstanden fra Oslo til Vestlandet. Det handler om en lite klok prosess, og vel kan det være, som statsråden svarte meg i replikken, at det har vært lite deltakelse fra berørte kommuner her. Det viktige å ta inn over seg er jo den reaksjonen som tross og det håper vi fra Vestlandet – og vi fra Hordaland spesielt – vil være styrende for fremtidig prosessarbeid. Før sykehuskampen i Molde eksploderte, ville jeg sagt at saken om monstermastene i Hardanger er en av de minst kloke prosessene fra Stoltenberg-regjeringen. Men nå er jeg ikke lenger like sikker på det.

til å ende opp med å nedsette fire fagråd som skal gjennomgå det man tidligere har sagt man er oversikker på. Samtidig starter man anlegg. Det provoserer mange, og blir dessverre av mange tatt som illevarslende signaler om at regjeringen kanskje ikke har tenkt å ta fagrådene på alvor. Det håper vi inderlig ikke,

Jeg har lyst til å presisere at Høyres holdning, som det også ble gitt uttrykk for da vedtaket kom, er at infrastruktur og nett er viktig for å ha en høy grad av forsyningssikkerhet, å sikre innbyggere og industri energileveranser. Vi har ikke tatt stilling til hvorvidt det valgte alternativet er det rette. Det betyr at vi heller ikke har sagt at luftspenn er feil som alternativ. Men det vi har sagt, er at vi er kritiske til den prosessen som har foregått og det faglige grunnlaget som denne prosessen har bygget på. Jeg synes det er positivt at bl.a. Statnett har tatt selvkritikk på prosessen, og at en ønsker å lære av de feil som har blitt begått

at disse utvalgene må kunne se på flere alternativer enn bare sjøkabel versus luftspenn. Men det har vi som sagt ikke fått noen tilbakemelding på. Jeg tror det er viktig at vi ser på den fremtidige nettutbyggingen som en mulighet også for næringsutvikling for våre kompetansemiljøer. Norge har bl.a. mye kabling i sjø, både når det gjelder strøm og offshoreinstallasjoner. Det betyr at vi har næringsklynger og bedrifter i dette landet som er langt fremme innenfor dette området. Og når vi vet at vi her i Norge, men også i EU og andre land står foran massive utbygginger i nye generasjoners strømoverføringer, er det viktig at vi også fra vår

Men jeg reagerer på de holdningene som har begynt å komme fram rundt diskusjonen om alternative løsninger. I debatten har altså både myndighetene og regjeringen sagt at den nye nettlinjen må komme fordi det handler om kraftforsyningssikkerheten i regionen. Hvis én av de to linjene i dag faller ut,

positivt gleder meg at han i det hele tatt vurderte, for det kan være en vanskelig sak for en del andre i regjeringen. Men også en blanding av ny vannkraft, småkraft, vindkraft, energisparing, mindre elektrifisering av sokkelen og mer bioenergi ville gledet energiministeren – altså en pakke der kunne også gjort den samme nytten. Så kunne det godt hende at den pakken hadde blitt usannsynlig kostbar i forhold til nytten som gjorde at man automatisk at det ikke er ønskelig. Eller det kunne være at regjeringen innrømmet og sa at nei, flere gasskraftverk enn det vi har, ønsker vi egentlig ikke, selv om det blir et inntrykk av det motsatte fra statsministeren. Men da hadde vi i hvert fall hatt et politisk valg. Det har vi ikke nå, fordi ingen har blitt satt til å legge fram en slik pakke. Statnett sier det ikke er deres ansvar og Enova kikker bare på stimulering av fornybar energi og energisparing.

på det tidspunktet som Arbeiderpartiets strateger, i følge VG, ønsket det skulle komme i fjor. Det kom i februar, da vannmagasinene var lave, strømprisene høye og når man liksom hadde det perfekte set-up for å få det akkurat som man ville fra regjeringens side. Det var nok å være til stede på Høyres høring om dette og se på hvordan Hardanger-aksjonen argumenterte.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

vedtatt. I føreliggjande representantforslag blir det fremma eit forslag om at Statnett på ny utgreier ulike alternative traséval og teknologiske løysingar på dei mest sårbare strekningane på for så å be eit uavhengig utval å vurdere dei alternative trasévala og teknologiske løysingane på dei mest sårbare strekningane på omtalte strekning. Grunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat i juni 2009 vedtok å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av ein 420 Vedtaket innebar at leidningen skulle byggjast som luftleidning på heile strekninga. Vedtaket blei påklaga frå mange hald, og Olje- og energidepartementet fekk oversendt klagesaka frå NVE i oktober 2009. Same månaden blei det halde departementssynfaring og møte langs For fleire delstrekningar har Statnett vurdert, utgreidd og omsøkt ulike traséalternativ. NVE har under si behandling av konsesjonssaka bedt Statnett om fleire tilleggsutgreiingar og tilleggsøknader på bakgrunn av betydelege protestar langs den 280 km lange leidningstraseen. Lat meg berre understreke den tverrpolitiske einigheita det er om at denne tilførselslinja er det umåteleg viktig å få realisert. Ja, planane er langt på overtid om ein skal leggje til grunn fråsegn om tidspunkt for fullføring av nettopp denne linja, for den var opphavleg tenkt ferdig i 2011. Kapasitetsmangel på straumforsyninga til Midt-Noreg har gitt området rekordhøge straumprisar og ein har mått investere i to såkalla mobile gasskraftanlegg til ein pris mellom 2 og 3 mrd. kr. Eg skal ikkje bruke mykje tid på ein ny presentasjon av behovet for denne lina, det er dokumentert gjennom tallause debattar i denne salen. Dei mest kontroversielle strekningane som står att etter klagebehandlinga, er Jølster, Naustdal og Flora kommunar og Førdedalen i Bremanger kommune. Der blir det utgreidd og I Møre og Romsdal er det strekninga Ørsta–Ørskog som er mest omstridd, og der har ein no bedt Statnett omsøkje og utgreie sjø- og jordkabelalternativet Store Standal til Ørskog. I tillegg er det såkalla saneringsalternativet omsøkt, der Framstegspartiet peikar på at denne løysinga i langt sterkare grad enn tidlegare vil foreine miljøomsyn, forsyningssikkerheit og økonomi. Slik saka no står med konsesjonsbehandling og vidare utgreiing av dei ulike alternativa, er det førebels uavklara kva løysing ein vel å leggje seg på. Representantforslaget har derfor på mange område fått medhald, om enn ikkje når det gjeld ønsket om eit uavhengig utval, slik det er fremma forslag om. Avslutningsvis vil eg anbefale komiteens
Også

det hastar. Midt-Noreg er eit område med stort underskot på straum, og som vil ha eit aukande kraftunderskot i åra som kjem. Sist vinter opplevde forbrukarar og næringsliv i Trøndelag og Møre og Romsdal svært høge straumprisar. Dette er svært alvorleg for regionen, både for hushaldningane som slit med å betale straumrekninga, og for bedrifter som må stanse drifta på grunn av høge prisar. Mykje tydar på at denne situasjonen vil gjenta seg denne Dessverre har regjeringa forsømt seg i fleire år når det gjeld å sikre kraftforsyninga til Midt-Noreg. Likevel – det er tverrpolitisk semje om at ein må ha større kapasitet til Midt-Noreg. Sjølv om det no er i sluttfasen av konsesjonshandsaminga av Ørskog–Fardal, blir det stadig kasta fram nye alternative trasear. Vi har merka oss at olje- og energiministeren så seint som i november bad Statnett om å søkje konsesjon for sjøkabel på strekninga mellom Hjørundfjorden og Ørskog. Høgre meiner dette er positivt, og Høgre har faktisk pressa på for å få gjort dette for fleire år sidan. På ein slik bakgrunn kan det vere interessant å diskutere kven som har ansvaret for framdrifta i denne saka. Er det dei som ikkje ønskjer denne linja inn i sine nærområde, eller er det raud-grøne politikarar som ikkje har hatt vilje eller evne til å få alle kort på bordet

av ein slik plan. Tidlegare senterpartistatsråd Åslaug Haga uttala i 2007 at det skulle lagast nye retningslinjer for nettpolitikken før ein tok avgjerd i sakene om kraftlinjene Ørskog–Fardal og Sima–Samnanger. Ingen av desse løfta er haldne. Passive raud-grøne politikarar har kasta vekk mange år i arbeidet med å få på plass ein nettpolitikk som kunne gje eit sterkare og sikrare nett, og som i tillegg kunne skape tillit til dei prosessane og avgjerdene som skal takast med utbygging av nettet.

Her får Eid kommune klar beskjed om at no er det ikkje lenger tid til å utgreie fleire alternativ, sjølv om dette kunne vere eit reelt alternativ. Det er sterk motstand mot bygging av store kraftlinjer mange stader i landet. Det betyr etter mitt syn at dagens politikk på dette området er forelda. Det vi har sett frå energistatsråden siste tida, passar bra med det Høgre har kravd i lang tid. Vi får full gjennomgang av kraftlinjesaka i Hardanger med fire ekspertutval, får nye vurderingar av dei mest kritiske punkta på strekninga mellom Ørskog og Fardal, og ikkje minst blir det søkt om konsesjon for sjøkabel på delar av strekninga mellom Ørskog og Fardal. Det betyr at Høgre har fått gjennomslag for viktige saker som vi har pressa på for tidlegare. Så får raud-grøne politikarar vere så vaksne at dei tek det fulle og heile ansvaret for at det har teke så lang tid å få dette på plass, at dei dermed også tek ansvaret for den kraftkrisa vi ser i Midt-Noreg i dag. Presidenten lurer på om representanten Lødemel har tenkt å ta opp forslaget som står i innstillingen. Ja, eg tek det opp. Da har representanten Bjørn Lødemel tatt opp det forslaget han refererte til. Midt-Norge har et akutt behov for

Jeg er derfor fornøyd med det utfallet som denne saken har fått til nå, der olje- og energiministeren har bedt Statnett om å søke nye konsesjoner og utrede alternative løsninger på enkelte traseer. Det er en klok og god løsning. Så skulle en også tro at Høyre var fornøyd med en slik løsning med tanke på representanten Lødemels høye profil Representanten Lødemel har drevet valgkamp nesten ene og alene på motstand mot denne linjen og på krav om sjøkabel på hele strekningen Ørskog–Fardal, og har vært veldig tydelig på det også i sine innlegg i Stortinget, i sine spørsmål til statsråden og i sine tallrike medieutspill i stortingsvalgkampen i Sogn og Fjordane i fjor. Så begynner glideflukten. Den 8. juni kunne vi lese på NRKs sider: «Lødemel bakkar ut», og at Høyre likevel ikke vil kreve sjøkabel. Så kan en reflektere over hva Lødemels velgere i hjemfylket måtte mene om det. Så kommer en kontrabeskjed igjen. Den 31. august har Høyre ombestemt seg enda en gang. Da melder Sogn Avis: «Erna krev kabling», for da har Erna Solberg vært med representanten Lødemel på besøk for å se på traseen. Og så igjen: Når vi behandler denne saken i komiteen – med tanke på et krav om kabling skulle en jo tro at Høyre i det minste var med på å vedlegge forslaget protokollen, med de intensjonene Venstre har med å fremme forslaget – hvem er det som ikke bifaller forslaget? Det er Høyre. Forvirringen er jo komplett. Hva er det egentlig Høyre mener om kabling og ulike traséalternativer Ørskog–Fardal? Og hva er det egentlig representanten Lødemel mener? Mente han alvor da han lovte å kjempe for kabling hele veien? Har han ombestemt seg og mener nå at regjeringens løsning er den klokeste? I så fall bør jo også representanten være ærlig nok til å innrømme at regjeringen ikke har gjort en dum jobb i denne saken.

i arbeidet med å sikre Midt-Noreg krafttilgang. Men ikkje berre det: For det er sånn at desse kraftlinjene kan føre straum begge vegar, og vi veit at også på Vestlandet kan krafttilgangen bli utfordra av for lite nedbør. Så er det viktig å understreke at skal ein ha nye industrietableringar, nytt forbruk, anten her eller der, må det vere sikker tilgang på straum, stabil tilgang på straum. Ikkje minst er denne linja òg avgjerande viktig for å utløyse det fornybarpotensialet som ligg i denne landsdelen, og som eg registrerer at representantar frå ulike parti bruker å rekne inn i den framtidige fornybarproduksjonen som Noreg kan få opp. Så har det langs denne planlagde linjetraseen vore ei rekkje innspel frå kommunar, frå lokalsamfunn og frå privatpersonar. Det har vore prosessar. Det er innspel som no blir grundigare vurderte i regi av Statnett, både dei som blei nemnde av føregåande talar, og også andre tiltak, mindre justeringar avbøtande tiltak, fordi vi alle er opptekne av å finne trasear for kraftlinjene som tek omsyn til busetjing og miljø. Så er det viktig for oss å understreke at det positive arbeidet må halde fram, at dialogen og prosessane no må vere gode i sluttfasen av behandlinga, og at ein held fram slik som regjeringa og statsråden har teke sikte på: å vere i dialog med dei kommunane som får denne linja innom. Så spør eg meg om følgjande etter desse to debattane. Viss det er sånn at alle i denne salen understrekar viktigheita av linjene, og understrekar, i alle fall når det gjeld denne konkrete linja, at ho må byggjast kjapt, står jo det i grell motstrid til det som blei sagt frå enkelte representantar i valkampen. Sjølv ikkje min gode kollega representanten Lødemel, som bygde store delar av sin valkamp på nettopp å samle motstand mot bygging av denne linja langs denne eller tilsvarande trasear, er lenger imot linja. Faktisk er det sånn at i innstillinga er han den som går lengst i å avvise det forslaget som her ligg på bordet, trass i at delar av det allereie er vareteke av regjeringa. Så står han her og seier: Vi har hatt fullt gjennomslag for Høgre.

mens det var dei andre partia som lyfta fram traséendringa og avbøtande tiltak som eit alternativ. Vel, fullt gjennomslag for Høgre er ord som må stå for representanten Lødemel si rekning. Eg vil tru at mange, i alle fall i mitt heimfylke, har eit anna inntrykk. Det er

nå har det blitt 16. desember – tom for i år. Kristelig Folkeparti har jo da tatt til orde for at vi bør bevilge mer penger i saken som vi skal debattere i salen her i morgen, nettopp til dette, og vi har også ønsket å bevilge mer penger i 2011 nettopp til energieffektiviseringstiltak i husholdninger. Det andre punktet er økt produksjon av ren fornybar energi i regionen. Da vet vi at en del vindkraftkonsesjoner er gitt og en del andre prosjekter er under etablering. Men det vil være av stor betydning at staten stiller opp med penger for å ta rensekostnadene for et gasskraftverk i Midt-Norge, slik at vi også kan bruke denne energikilden. Men den viktigste energikilden. Men den viktigste energikilden som kan gjøre noe med kraftsituasjonen i Midt-Norge, er å øke linjekapasitet, dvs. få på plass Ørskog–Fardal. Derfor er det et krav fra Kristelig Folkepartis side at denne linjetraseen bør være ferdig senest i 2015. I innstillingen har det nok skjedd en en feil fra Kristelig Folkepartis side. Vi er ikke forslagsstiller sammen med Høyre når det gjelder forslag nr. 1. Vi støtter komiteens tilråding i denne

I tillegg vil kraftlinjen bedre forsyningstryggheten i Sogn og Fjordane og lokalt på Sunnmøre. Venstre er også kjent med at planer om ny fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane vil gjøre det nødvendig med ny kraftledning. Jeg vil understreke at Venstre er svært positive til Ørskog–Fardal, og ønsker derfor ikke at man skal komme i den samme situasjonen som Forslagsstillerne er kjent med at flere av delstrekningene på strekningen Ørskog–Fardal er lite problematiske, men vil understreke at kraftledningen på enkelte strekninger vil innebære et betydelig inngrep i naturen. På disse strekningene er naturen unik, både i nasjonal og i internasjonal sammenheng, med særpreget kulturlandskap og urørt natur. Det synes åpenbart at noen av disse strekningene vil skape betydelige konflikter. Venstre er opptatt av at det er fremdrift i dette prosjektet. Noe av intensjonen med forslaget er oppfylt gjennom de oppdragene Olje- og energidepartementet allerede har gitt Statnett etter at dette forslaget ble levert inn, og gjennom de tilbakemeldingene Statnett har gitt departementet. Men Sima–Samnanger viste med all tydelighet at dersom en foreslått trasé er konfliktfylt, og de ulike partene ikke har tillit til de utredninger som foreligger, så gir det grobunn for betydelig frustrasjon. Resultatet ser man jo nå, det kan bli store forsinkelser. Derfor mener Venstre at man i dette prosjektet bør være føre var, og sørge for at det er full tillit til de ulike utredninger som ligger til grunn for konsesjonsforslagene. Kraftledningen fra Sunnmøre til Indre Sogn er

framover. For det andre er det nødvendig å få transportert ut mer fornybar energiproduksjon fra vind- og vannkraft både i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal. Kraftframføringa mellom Ørskog og Fardal er en forutsetning for at mye av denne fornybarproduksjonen kan bli realisert. Vi må ha klart for oss at behandlingen av denne kraftframføringssaken hele veien har vært svært omfattende og åpen for fra forskjellig hold. For flere ulike delstrekningers vedkommende har Statnett vurdert, utredet og omsøkt forskjellige traséalternativer. NVE har under sin behandling av konsesjonssaken sørget for at Statnett har utarbeidet flere tilleggsutredninger og lagt fram tilleggssøknader. Dette innbefatter også ulike kabelløsninger. Det er derfor en grundig og bred prosess som allerede har funnet sted gjennom planleggingsarbeidet i Statnett og saksbehandlingen i NVE. Etter at klagesaken ble oversendt til departementet, har vi sørget for at det blir foretatt ytterligere utredninger og lagt fram flere konsesjonssøknader fra Statnett, i tråd med forslaget fra representantene. I desember 2009 ba departementet Statnett om å utrede og vurdere fordeler og ulemper ved to alternativer for den nordligste delen av Alternativene er en sjøkabel fra Ørskog med ilandføring ved Store-Standal i Ørsta kommune og et saneringsalternativ med ny trafostasjon i Sykkylven kommune. Ny trafostasjon i Sykkylven og sanering av dagens 132 kV-ledning ville legge til rette for å benytte eksisterende trasé for ny 420 kV-luftledning. Departementet mottok i februar i år Statnetts utredning av disse to alternativene. På det grunnlaget ba vi Statnett søke om saneringsalternativet. Søknad for dette alternativet ble oversendt fra Statnett til NVE i oktober. Etter å ha gått igjennom klager og andre innspill i saken har jeg funnet det nødvendig å be Statnett om ytterligere utredninger og konsesjonssøknader for alternative løsninger på tre enkeltstrekninger for denne kraftframføringa mellom

Konsesjonssøknader på disse nye alternativene vil sikre at disse kan vurderes på en fullverdig måte opp mot konsesjonsgitt trasé når de endelige beslutningene skal tas. Samtidig har jeg varslet at regjeringa tidligst mulig vinteren 2011 vil fatte delvedtak for andre strekninger, slik at framdriften i arbeidet med denne viktige ledningen Forslagsstillerne går inn for at det nedsettes et eksternt utvalg som skal trekke de overordnede konklusjonene. Jeg kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for å innhente vurderinger fra eksterne utvalg. Jeg vil peke på at det er foretatt grundige vurderinger av alternative løsninger for kraftframføring på mange strekninger mellom Sunnmøre og Indre Sogn. Med de tilleggsutredningene og tilleggssøknadene som vi nå har bedt Statnett om, vi nå har bedt Statnett om, vil denne saken ha et meget godt beslutningsgrunnlag. Konsesjonsbehandlingen gir etter min mening på en god måte den åpenhet og det innsyn i forvaltningen som forslagsstillerne etterspør. Det blir åpnet for replikkordskifte.

Når ser statsråden at Møre og Romsdal kan ha gleda av å få tilført straum gjennom Sogndal/Fardal-linja? Hvis en velger de konkrete løsningene som er raskest gjennomførbare på denne traseen, ser jeg for meg at det er mulig i 2015. Eit av dei områda som i dag er

den saka og den biten av traseen Ørskog–Fardal? Når det gjelder den konkrete strekningen som representanten Lødemel spør om, har jeg bedt Statnett om å se på muligheter innenfor et geografisk område for å finne løsninger som går utenom Naustdal sentrum.

Men det gir oss en mulighet til å ha flere alternativer å velge blant, og sånn sett sørge for at det vedtaket som blir gjort, også er et vedtak som har tilstrekkelig legitimitet, og at det har vært en prosess og utredning som det bør være grunn til å være fornøyd
Statsråden sier at det tidligste en linje kan være på plass, er i 2015. Da har denne regjeringen klart å utsette det med bare fire år – det er for så vidt ikke så verst. Men når statsråden samtidig i sitt innlegg sier at kraftforsyningsunderskuddet i regionen vil være økende de neste årene, må en spørre om han i denne prosessen har vurdert å stimulere til økt kraftproduksjon i denne regionen – også med tanke på den debatten vi nettopp hadde egenproduksjon av kortreist kraft der en vet at det er et betydelig potensial i å bygge ut gasskraftverk. Regjeringen selv har nettopp fornyet konsesjonen til Skogn, en har diskutert om en skal ha et dedikert gasskraftverk på Aukra, men lagt det vekk, en har hatt prosjektene på Tjeldbergodden, som en har skrinlagt. Men en har også Industrikraft Møre, som har et levende prosjekt som en har et stort ønske om å realisere, men behov for avklaringer om rammebetingelsene rundt CO2-rensing. Det er feil at det ikke er noen avklaring rundt CO2-håndtering i Fræna. Det foreligger et konsesjonsvedtak, men samtidig også en konklusjon som går på at CO2 må håndteres, og det kommer det ikke til å være noen statlig involvering i. Så det er ikke til å være noen statlig involvering i. Så det er en avklart situasjon. Når det gjelder Skogn, er det også der gitt en konsesjon som det er mulig å nyttiggjøre seg. Så langt har det ikke vært gjort. Men nå er nettopp konsesjonen forlenget, så der gis det mulighet for det. Når det gjelder produksjon av såkalt kortreist kraft for øvrig, har det vært realisert gode prosjekter i regionen de siste årene, både som følge av satsing innenfor småkraft og gjennom Enovas støtteprosjekter som i hvert fall er igangsatt. Så vet vi at de grønne sertifikatene som nå kommer på plass, vil bidra til bedret lønnsomhet i dette og legge grunnlaget for forsterket produksjon også utover det.

vil eg gjerne rette opp ein feil. Det er slik at Høgre vil støtte tilrådinga frå komiteen. Det har skjedd eit eller anna gale der. Så vil eg litt tilbake til den diskusjonen som har vore, og ikkje minst til påstanden frå Snorre Serigstad Valen sist vi diskuterte denne saka. Han hevda at eg er den mest uttalte motstandaren av ny linjekapasitet inn mot Midt-Noreg, og at eg kjempar mot ein krafttilførsel til den regionen. Det er etter mitt syn løgnaktige påstandar. Eg har aldri kjempa mot kapasitet inn mot Midt-Noreg. Vi har diskutert løysinga. Eg har jobba mykje med Ørskog–Fardal i mi tid som ordførar i Hornindal. Ein av traseane var planlagd gjennom min heimkommune. Eg har kjent frykta og avmakta på kroppen då vi såg korleis ei 420 kV kraftlinje ville rasere bygda vår. Det har òg vore med på å prege meg i mitt arbeid. Derfor vil eg tilbakevise at dette skal vere eit valkampstunt frå mi side. Eg forstår godt korleis dei føler det i Naustdal, i Ålfoten, på Nordfjordeid, i Sykkylven – eller i Hardanger, for den saks skuld. Eg har jobba i fleire år for å få ei fullverdig utgreiing av sjøkabelalternativet på kysten av Sogn og Fjordane, med påkoplingspunkt på kysten, og sjå dette i samanheng med oppgradering av eksisterande kraftnett. Eg meiner at Sogn og Fjordane som eit av dei viktigaste kraftproduserande fylka burde ha ambisjonar om å ha god kapasitet både mot Europa og mot installasjonane i

Når representanten Sande reagerer på at eg kallar det som no skjer, for fullt gjennomslag, siktar eg til at det endeleg blir søkt om konsesjon for sjøkabel, iallfall for delar av strekninga. Det er heilt nytt. Det er første gang det har skjedd, og mi glede over det er det eg kallar fullt gjennomslag. Då siktar eg til at det blir søkt om konsesjon for sjøkabel frå Hjørundfjorden til Så har det vore mykje snakk om valkamp og mi rolle i valkampen når det gjeld kablar. Eg har vist til kvifor eg har jobba for ei slik løysing. Men det var mange som dreiv valkamp i 2009, og mange raud-grøne politikarar reiste rundt på Nordvestlandet og snakka om at dei ville ha sjøkabel. Men det som tok kaka, var faktisk det som stod i Bergens Tidende 10. september 2009: «SP vil ha kabel i Hardanger. Jeg har bedt NVE utrede kabelløsning mellom Sima og Samnanger. Det betyr at jeg vil ha kabel». Det sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Er det riktig som presidenten oppfattet det, at mindretallsforslaget ble trukket? Det er riktig! Da foreligger det ikke noe mindretallsforslag. Hvis presidenten oppfattet også dette riktig, brukte representanten Lødemel uttrykket
Fjordane og debatten rundt Ørskog–Fardal. Så er det til det siste representanten Lødemel sa, det å legge til at forskjellen mellom denne saken og Sima–Samnanger-saken er at statsråd Terje Riis-Johansen har stått ved sitt ord, og nå utreder han jo kabel i Hardanger. Med det innlegget representanten Lødemel nå holdt, mener jeg han egentlig bar mer stein til Høyres byrde, og at han bidrar til en generell forvirring i salen. Og dette er viktig, fordi denne saken var en av de avgjørende sakene i valgkampen i Sogn og Fjordane, og dette vil velgerne i Sogn og Fjordane og i andre deler av landet der man står foran store kontroversielle linjeprosjekter, være interessert i. I 2009 driver Høyre valgkamp på sjøkabel hele veien. Så annonserer Høyre den 8. juni i år i NRK at de ikke ønsker sjøkabel likevel. Den 31. august har de igjen snudd, og da er Erna Solberg med på laget og krever kabling, mens man nå, i komitéinnstillingen, plasserer seg lengst unna intensjonene i Venstres forslag ved ikke å bifalle forslaget. Det bidrar til forvirring, og det må bety en av to ting. Enten betyr det at representanten Lødemel har blitt lurt av partiledelsen i Høyre – han er blitt dolket i ryggen, og at det er Erna Solberg som har snudd og ikke lenger ønsker kabel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal – eller så betyr det at representanten Lødemel har snudd. snudd. Det vil Høyre-velgerne i Sogn og Fjordane være interessert i å få vite: Hva er det som har skjedd som gjør at Høyre i denne saken har snudd to ganger i år, før de ender opp i komitéinnstillingen på helt motsatt side av der de drev valgkamp? Det er noen her som ikke er helt redelige, og jeg tror det er noen andre enn

Høgre hadde vore ein sterk pådrivar for linja, også for framdrifta i tid, og at det var raud-grøne politikarar som hadde somla, og som hadde gjort at linja kom seinare enn nødvendig. Det igjen er ein påstand som er heilt forskjellig frå, heilt ulik, det den same Lødemel proklamerte i valkampen, der han tvert om gav uttrykk for at tvert om gav uttrykk for at vi har masse tid, vi kan køyre mange store utgreiingar, vi kan setje dette på vent og få fram kunnskap om ny teknologi når det gjeld linjer. Desse standpunkta går ikkje i hop. Eg kan ha respekt for at representanten jobbar for ei anna løysing, men då må ein vere såpass ærleg at ein seier at det betyr at linja blir forseinka. Så kan eg ha respekt for at ein jobbar for ei anna løysing og ikkje ynskjer linja, men då er det einaste logiske å fremje forslag i denne salen der ein foreslår å skrinleggje prosjektet eller i beste fall utsetje det. Men det har ikkje representanten Lødemel gjort. Eg tenkjer at det kanskje kan vere greitt å vere ærleg på det overfor sine eigne veljarar, i sitt eige valdistrikt, at vel sa ein noko i valkampen, men ein har altså ikkje følgt det opp gjennom forslag i denne

unna. Når en utfordrer energiministeren på tiltak med hensyn til f.eks. gasskraftverk i Midt-Norge, er det ikke en finger som skal løftes, ikke en krone som skal brukes. En har gitt konsesjon til Skogn og skryter av at den nettopp ble forlenget, men i full visshet om at den aldri kommer til å bli realisert, fordi det ikke er gass, og fordi en vet at det ikke er Lokalisering av gasskraftverk er like viktig som lokalisering er for stort sett enhver annen næringsvirksomhet en driver. Det handler om å ha kundegrunnlag, og det handler om å ha ressursgrunnlag for å få lønnsomhet i det. Men i Fræna er det noen som har kundegrunnlag og ressursgrunnlag og investorer og hele pakka, som er villige. Du kan stå på tomta og høre det knitre i statens master, og du kan stå og se lysene fra Ormen Lange på Aukra – ergo: en perfekt plassering. Og det er en perfekt plassering ikke bare

staten skal ta regningen for CO2-renseanlegget, men forutsetningen til SV er en dobling av CO2-avgiften. Jeg er ikke enig i forutsetningen, men jeg er i hvert fall glad for at han har vist vilje til å diskutere hvordan en skal få realisert lokal kraft. Den viljen avviste energiministeren fullstendig i denne debatten – mye tydeligere enn i de tidligere debattene. Det er et varsko om at denne regjeringen har så mange politiske indre dragninger at det ikke går an å finne de raske, gode løsningene. En skal altså kable seg ut av ethvert problem, ikke få fram volum kraftproduksjon. Det er veldig hyggelig at den politiske sekretæren til energiministeren har vært i NRK og debattert og skrytt av at man i Midt-Norge hadde kommet

Derfor håper jeg at statsråden fra denne debatten kan ta med seg en vilje internt i regjeringen til å bruke den amerikanske ambassaden og bekjempe regjeringens politikk for å få til noe som virker. Jeg forstår på temperaturen i innleggene til representanten Serigstad Valen og

å synliggjøre problemstillinger som er viktig for Distrikts-Norge. Representanten Lødemel gjør en solid innsats på det området, sannsynligvis til stor irritasjon for bl.a. representanten Sande. Representanten Lødemel har hatt et engasjement på dette området, uten tvil, valgkampen. Det er klart at hans fokus og bidrag i forhold til å løfte en problemstilling hvor en i større grad skal kunne ivareta naturhensyn og estetikk i kombinasjon med å sikre strømforsyning, er et viktig bidrag i den offentlige debatten. Jeg har bare lyst til å gjenta det som er Høyres innfallsvinkel i disse spørsmålene. Infrastruktur for strømforsyning er viktig for å opprettholde en stor grad av forsyningssikkerhet Samtidig er vi opptatt av at vi skal ha gode lokale prosesser, hvor lokalsamfunnet blir hørt, hvor vi kan ivareta naturverdier, estetiske verdier, og også hvor vi, der det er mulighet for det, kan være en pådriver for teknologiutvikling og det å få frem nye løsninger.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

Vi skal behandle et forslag fra Fremskrittspartiet om tiltak mot vedlikeholdsetterslep. Forslagsstillerne mener det er et stort etterslep på vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur og ber regjeringen om å få på plass en nasjonal plan for å dekke inn vedlikeholdsetterslepet. Forslagsstillerne ønsker en helhetlig gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet der de fokuserer på veier, jernbaner, flyplasser, energidistribusjon, offentlige bygg og vann- og avløpsanlegg. Forslagsstillerne mener det er mange grunner til dette vedlikeholdsetterslepet og peker spesielt på dårlig organisering, dårlig styringsverktøy og manglende politisk vilje til å bevilge midlene som skal til. Videre begrunner de det i en stor offentlig sektor som eier og forvalter en stor bygningsmasse og med mange offentlige ansatte som ikke har kompetanse på eiendomsforvaltning. De trekker i forslaget også fram at de mener det er behov for å endre budsjetteringssystemet i staten og ta i bruk finansieringsordningen OPS. Jeg vil i det videre begrunne flertallets anbefaling om å avvise forslaget. For det første vil jeg understreke at vi deler ikke forslagsstillernes syn på at vedlikeholdsetterslepet skyldes bl.a. en stor offentlig sektor med for mange offentlige ansatte og politikere som ikke har kompetanse på eiendomsforvaltning. Beslutninger om hvor mye ressurser som skal brukes på vedlikehold, handler om prioritering hvert år innenfor alle sektorer, og ikke dugnadsarbeid, som en slik nasjonal plan kan ha For å ta samferdselssektoren som eksempel har regjeringen i hele sin regjeringsperiode prioritert å bruke mer på vedlikehold av vei og jernbane enn det som var forutsatt i den nasjonale transportplanen som regjeringen Bondevik la fram for 2006–2015. Hvorfor det? Jo, fordi det er

100 mrd. kr mer enn planrammen for forrige NTP, for 2006–2015, som regjeringen Bondevik la fram. Det er videre i NTP 2010–2019 lagt opp til en investeringsstrategi både på vei og jernbane som legger vekt på mer sammenhengende utbygging av lengre strekninger, noe som vil gi større effektivitet og bedre samfunnsnytte, og prosjektene vil kunne tas i bruk tidligere. Regjeringen har varslet en jevn opptrapping av NTP i denne stortingsperioden, noe som ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2010, og som en fortsetter med i budsjettforslaget i 2011, der det foreslås at bevilgningene til NTP-formål øker med 2,6 mrd. kr fra saldert budsjett fra 2010. Det er gjennom en slik kontinuerlig prioritering av vedlikehold at vi kan få gjort noe med vedlikeholdsetterslepet innenfor samferdselssektoren, som jeg har belyst spesielt. I arbeidet i forkant av NTP

Erfaringene så langt viser at OPS-modellen har gitt raskere prosjektgjennomføring, og kombinasjonen utbygging og drift har vært positive. Evalueringsrapporten sier imidlertid også at det ikke er mulig å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring, og at det er mulig å hente ut gevinster gjennom bedre kontraktsstrategier innenfor de ordinære bevilgninger over statsbudsjettet, uavhengig av privat finansiering. Hypotesen om en optimalisering av livssykluskostnadene kan foreløpig ikke bekreftes. Tvert imot peker evalueringen på at OPS-selskapets monopol på å gjennomføre endringer i veianlegget er en stor utfordring, og kan medføre økte livssykluskostnader. OPS binder i tillegg opp store midler i de årlige budsjetter og minsker handlingsrommet. Det har flere regjeringer erfart i kjølvannet av OPS er en modell som regjeringen og stortingsflertallet i behandlingen av NTP 2010–2019 ikke så behov for å videreføre nå, og det er ikke noe som er framkommet siste år som endrer på det. Regjeringen har isteden, for det første, prioritert å bruke mer midler enn noensinne på samferdsel. For det andre er det ført tre store investeringsprosjekter – E6 vest for Alta, E16 og jernbaneprosjektet Oslo–Ski – på egne poster i statsbudsjettet, noe som skal gi sammenhengende og forutsigbar utbygging av disse store utbyggingsprosjektene. Nå arbeidet med transportplanen som skal vedtas i 2013, der prioriteringer og vurderinger skal gjøres på nytt. Denne regjeringen har vist gjennom sine budsjetter at den prioriterer både investeringer og vedlikehold av vei og jernbane. Vår utfordring er å se behovene i sammenheng og bygge ut, drifte og vedlikeholde infrastrukturen, slik at den ikke forringes. Det må gjøres gjennom kontinuerlig og planmessig arbeid innenfor alle sektorer, ikke slik som foreslått her, gjennom en dugnadsinnsats. Vi ser derfor ikke behov for det. Representantforslaget fra Fremskrittspartiet tar utgangspunkt i en

kommunale bygg, helsebygg, jernbane, lufthavner, riks- og fylkesveier, kommunale veier, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, avfall, energiproduksjon og energidistribusjon. Rapporten gir et bilde av et stort vedlikeholdsetterslep, ufullstendig styring og manglende langsiktig planlegging. Blant mange viktige forhold vil jeg peke på to – for det første: Dette er en gjennomgang og en oversikt som staten burde lage jevnlig. Det å lese av vedlikeholdskvaliteten på nasjonal infrastruktur er viktig. Nasjonal infrastruktur er nasjonalt verktøy for verdiskaping, vekst og velstand. En dyktig håndverker tar godt vare på verktøyet. Det er foruroligende at ikke offentlig sektor gjør det samme. Det er ikke tilfredsstillende at regjeringen ikke holder oversikt, ikke legger frem data og ikke jager på bedring i infrastrukturen for å få vedlikeholdet opp til god standard. God standard er god butikk. Målet i verdens beste land burde jo være verdens beste infrastruktur. Rapporten viser at det er langt igjen. Finansministerens vurdering av Fremskrittspartiets forslag viser dessverre at regjeringen og statsråden ikke tar denne problemstillingen, som Rådgivende Ingeniørers Forening har pekt på, på alvor. Forfall i offentlig infrastruktur er dårlig offentlig husholdning. Når mange regjeringer – også denne – lar infrastrukturen forfalle, tar en ikke godt vare på den offentlige realkapitalen. For det andre: Luftfarten er det eneste unntaket. Her er tilstanden betydelig bedre enn på de fleste andre områder – kanskje fordi vedlikeholds- og investeringsmidler har vært sikret gjennom finansieringsformen og selskapsmodellen til Avinor, og også fordi luftfarten fungerer under et meget strengt tilsyn. Det bilistene må finne seg i på veien, blir ikke akseptert på rullebanen. Glade skal vi være for det. Fremskrittspartiet mener rapporten fremviser hvordan vedlikehold av nasjonal infrastruktur er forsømt over lang tid. Mange må dele det ansvaret. Norge er et rikt land. Fremskrittspartiet mener Norge har en enestående anledning til å ruste opp dårlig vedlikeholdt infrastruktur. Fremskrittspartiet mener regjeringen må legge frem en plan for Stortinget om innhenting av vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. En slik plan bør være sektorovergripende. Den bør inneholde klare mål og verktøy som omfatter avklart, forutsigbar og langsiktig finansiering. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om at handlingsrommet som finnes i norsk økonomi, må utnyttes på en mest mulig effektiv måte. Det krever bruk av andre finansierings- og organisasjonsmodeller, som f.eks. prosjektfinansiering og OPS. Jeg viser til neste sak og vil bare kort si at Fremskrittspartiet, sammen med med Høyre og Kristelig Folkeparti, anmoder regjeringen om å åpne opp for mer bruk av OPS, prosjektfinansiering og alternativ organisering av utbyggingsprosjekter. Dette vil vi for å sikre en mer effektiv, forutsigbar og rasjonell gjennomføring av vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter. Avslutningsvis en kommentar til kommentarbrevet fra finansministeren: Fremskrittspartiet er enig i at ikke bare statlige investeringer bidrar til økt fremtidig velferd og verdiskaping. Men godt vedlikeholdte skolebygg, godt vedlikeholdte sykehus og godt vedlikeholdte veier bidrar – bidrar mye. Norge har romslig økonomi. Det burde bety godt vedlikehold av all viktig offentlig infrastruktur. Finansministeren og regjeringen forklarer manglende vedlikeholdssatsing med handlingsregelen. Fremskrittspartiet vil heller ha handling for bedre vedlikehold av vårt felles nasjonale verktøy, infrastruktur i offentlig sektor. Jeg tar opp forslag som Fremskrittspartiet har alene og sammen med andre. Representanten Arne Sortevik har tatt opp de forslag han refererte til. Høyre mener det er viktig med økt fokus og

Høyre har også sagt at vi mener regjeringen fokuserer mer på nye prosjekter og dermed glemmer at også eksisterende eiendomsmasse og infrastruktur trenger politisk oppmerksomhet. Perspektivmeldingen til regjeringen Bondevik II viste et effektiviseringspotensial i offentlig virksomhet på 10–26 pst. Dersom den rød-grønne regjeringen

Når det gjelder satsing på samferdsel, har vi en egen sak om dette senere, men denne saken omhandler deler av det samme, som også saksordføreren var inne på. Når det altså gjelder satsing på samferdsel, vil Høyre peke på at vi har et forslag om å etablere et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kr, som vi mener skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringer med det store etterslepet, både på veinettet og på jernbanenettet. Høyre mener også at regjeringen får for lite ut av pengene, og vi er kritiske til at regjeringen stadig er motstander av OPS-løsninger og Offentlig Privat Samarbeid også når det gjelder drift. Et økt fokus på sammenhengen mellom investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader som utløses av de nye investeringene, er etter Høyres mening helt nødvendig. Derfor er det viktig å bruke andre og mer moderne modeller for Høyre har også i Stortinget fremmet forslag om å splitte Jernbaneverket i to enheter, hvor den ene delen skal eie infrastrukturen og stasjonene, mens den andre delen skal utføre investeringer og vedlikehold i konkurranse med andre aktører. Når det gjelder vedlikehold av veinettet, har Høyre et ønske om å få et uavhengig veitilsyn, skilt ut fra Statens vegvesen, slik at tilsynet kan operere uavhengig, slik andre tilsyn i dag gjør. Et bedre veitilsyn vil føre til økt fokus på drift og økt fokus på vedlikehold av eksisterende veinett, noe som igjen ville ført til at tiltak kunne settes i verk på et tidligere tidspunkt, og at større og dyrere skader dermed ikke ville oppstått. Høyre viser til at regjeringen Bondevik II i budsjettet for 2006 foreslo en betydelig mer effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk. Denne reformen omfatter bl.a. en utvidelse av husleieordningen med skille mellom bruker og forvalter, slik at dette som hovedregel skal omfatte all statlig eiendom, innføring av nye beslutningsrutiner, opprettelse av et rådgivningsorgan for å skille rådgiverrollen og leverandørrollen, opprettelse av en forvaltningsbedrift som skal forvalte alle statlige eiendommer i universitets- og høgskolesektoren, rammebetingelser som bidrar til økt konkurranse og effektivitet i selve eiendomsforvaltningen og tilrettelegging for bedre og mer kontinuerlig vedlikehold. Samlet innsparingsanslag for denne politikken ble anslått til å være et sted mellom 1 mrd. og 2 mrd. kr. Dette er ikke fulgt opp av den rød-grønne regjeringen, verken av Stoltenberg II eller Stoltenberg Høyre mener at det ikke alltid er en offentlig oppgave å bygge, eie og drive tilbud som kan løses i samarbeid med private aktører. Det finnes en rekke modeller der private bygger, og det offentlige leier byggene. Det er også svært vanlig med privat eierskap i barnehager, barnevern, skoler, rusomsorg og mer og mer også innenfor sosial boligbygging. Brukerundersøkelser viser at private tilbud ofte scorer høyere på tilfredshet blant brukerne, særlig når det gjelder vedlikehold og bygningsmessig
i finanskomiteen, men eg sit i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i transportkomiteen, så eg vil ha det fokuset på dette innlegget. Det er nemleg no me ser konsekvensane av den politikken som Høgre og Framstegspartiet gjennomførte i 2003, knytt opp mot den prisutviklinga som er no. Det

får svi, men vedlikehaldet blir ikkje betre. Sjølv om me aukar vedlikehaldsbudsjettet så mykje som me gjer, kunne me sjølvsagt ha brukt endå meir pengar på det. Men hadde me ikkje hatt dette Høgre–Framstegsparti-systemet, så hadde me altså hatt mykje meir pengar å driva vedlikehald for. Det må Sortevik og Kambe, som held sigarane høgt, verkeleg ta inn over seg i dag. Det er alltid kjekt å kunna litt om historia. Kambe har ikkje vore så lenge på Stortinget, men eg kan fortelja han at i 2004, då Nasjonal transportplan blei vedteken, så blei han vedteken av Framstegspartiet, Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet, mot Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti sine stemmer. Grunnen til at Høgre stemde imot var at desse partia plussa på budsjettet med 1 mrd. kr. Det kalla Høgre for ein

Til slutt kan eg òg helsa til det mest sigarførande partiet her, Framstegspartiet. Dei har trening i å skapa fleirtal i Noreg for politikk – riktignok veldig kort. Men i tre budsjett har altså Framstegspartiet, saman med Kambes parti, Venstre og Kristeleg Folkeparti, danna fleirtal for budsjetta. Framstegspartiet har Framstegspartiet har i løpet av tre budsjett gjort ein fantastisk innsats. I løpet av tre budsjettforhandlingar med Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti klarte nemleg Framstegspartiet å plussa på heile 1 mill. kr på vedlikehaldsbudsjettet – fantastisk, spør du meg. Kva for ein innsats Framstegspartiet gjer, når dei verkeleg har moglegheita! Dei burde vist noko av den politikken dei står for,

det mange brukarar ikkje er fornøgde med, er det systemet ein har for vegvedlikehald, som Høgre og Framstegspartiet innførte. Det er lastebileigarane veldig kritiske til, og dei vil gjerne ha tilbake det gamle systemet. Eg trur at veljarane skal vera veldig fornøgde med at dei har ei raud-grøn regjering, og ikkje har Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti i regjering. Når dei er i posisjon, har dei ikkje dei pengane som me raud-grøne leverer til vedlikehald i dag.

alle er enige om at noe av årsaken til det er at det er nødt til å være en systemfeil i det beslutningsgrunnlaget som framlegges både for kommunestyrer, fylkesting og storting, når ikke vedlikeholdet av kostbar infrastruktur er bedre skjøttet enn det det er. Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at beslutningsgrunnlaget må endres, slik at en får tydelig fram de valg som folkevalgte står overfor når en skal ta stilling til om infrastrukturen skal vedlikeholdes, eller om en skal utsette det enda et år. Det er noe jeg håper en finansminister som har livserfaring, er interessert i å gå inn i, slik at det blir tydeliggjort overfor dem som tar beslutningene. Jeg vil videre si at det som regjeringa har gjort på noe av den mest sentrale infrastrukturen, nemlig vei og jernbane, er forbilledlig, hvor en nettopp i vanskelige prioriteringer har prioritert vedlikeholdet og ikke satt i gang nye prosjekter, slik som det tidligere i stor grad ble gjort, prestisjeprosjekter, hvor en nedtonte nettopp vedlikeholdet. Det er svært hyggelig at vi har en regjering som på det området er tydelig i sine prioriteringer. Så kommer partiet Høyre stadig fram med sine forslag om fond, stadig nye som erstatning for årlige bevilgninger. Jeg forstår ikke helt hvorfor en skal være så opptatt av fond. Det er jo mye mer kompliserende. Det som er nødvendig, er jo økte årlige bevilgninger, slik at en greier å skape et system hvor bevilgninger til investeringer og vedlikehold kan konkurrere med velferdsforbedringer. Da er det absolutt nødvendig å se på et eget investeringsbudsjett for infrastruktur, slik at det kan komme tydelig fram at dette gjelder investeringer som har en verdi i mange år framover, og som det er urimelig skal konkurrere med velferdsforbedringer som vil være kostnader for hvert år i framtida. Til det stadig tilbakevendende punktet om Offentlig Privat Samarbeid når det stadig tilbakevendende punktet om Offentlig Privat Samarbeid når det gjelder investeringer i vei, må jeg si at det ikke er noe annet enn et ideologisk standpunkt fra Høyre og Fremskrittspartiet som ikke er tilpasset Norges statsøkonomi. Offentlig Privat Samarbeid er ikke tilpasset Norges statsøkonomi. Det har tidligere vært et forslag og et

billigste. Det regjeringa har som alternativ når det gjelder Offentlig Privat Samarbeid til det som går på gjennomføring av prosjekt, er nye kontraktsformer hvor både planlegging og gjennomføring skjer ved samme entreprenør. Det er noe som bør utvikles videre. Her er det store muligheter til samspill mellom den offentlige planlegger, som den offentlige planlegger, som betaler og er den som står for prosjektet, og den entreprenøren som så kan finne fram til løsninger som kanskje den offentlige planlegger ikke er så god til å få til, noe vi har en rekke eksempler på. Når det gjelder Høyres forslag om veitilsyn, ser vi i Senterpartiet det som en unødvendig sak. Det som det burde vært større fokus på, er minstekrav til veier eksempelvis, minstekrav knyttet til at det burde være asfalt og at de tåler 10 tonns akseltrykk, noe vi internt i regjeringa arbeider for å få gjennomslag for, men det krever sine store bevilgninger, sjølsagt. Til slutt til spørsmålet om oppgraderingen av vann- og avløpsanlegg. Der er det et stort vedlikeholdsetterslep. Det har hittil vært en konkurranse i det å ha lave avgifter knyttet til vann og avløp. Det bør erstattes av en konkurranse knyttet til kvaliteten. kvaliteten. Gjennom det får vi et helt annet fokus også på det spørsmålet. Jeg håper at vi snart får den nye loven om offentlig eierskap til vann og avløp til Stortinget. Det er en stor utålmodighet når det gjelder å få denne loven, og dermed klargjøre at den type infrastruktur skal eies av det offentlige, ikke av private aktører. Først vil jeg si at mitt innlegg gjelder begge finanskomiteens saker. Da skal jeg først si at også når det gjelder neste aktører. Først vil jeg si at mitt innlegg gjelder begge finanskomiteens saker. Da skal jeg først si at også når det gjelder neste sak, skal vi være med på forslaget. Der er det en feil i innstillingen, men vi er med på mindretallsforslaget. Så har jeg sagt det, og spart noen minutter i tillegg. Jeg må først si at det alltid er en glede å høre på representanten Langeland, er poengtert og av og til ganske festlig. Jeg må si at jeg fikk en ny opplevelse i dag da jeg skjønte at det nye kriteriet for suksess for SV-ere er hvorvidt motorsyklistene er fornøyd med asfalten. Så jeg skjønner at det har vært en betydelig utvikling med hensyn til hvor SV henter sin velgermasse fra – litt bort fra de myke verdier, og over på de litt mer harde asfaltverdiene. Det kan sikkert trengs. Jeg vil jo si at med den debatten vi har hatt tidligere i uken når det gjelder samarbeid mellom det private og det offentlige på helse- og sosialsektoren, får jeg vel tilstå at jeg ikke har de store forhåpningene heller når det gjelder samarbeid på den sektoren vi her snakker om. Jeg har oppfattet at f.eks. Senterpartiet egentlig har vært pådrivere – i hvert fall utad – for et sterkere samarbeid når det gjelder andre måter å finansiere store prosjekter på, enn det vi har sett hittil. Det er vel bl.a. derfor samferdselsministeren faktisk har samferdselsministeren faktisk har gått til et aldri så lite motangrep på finansministeren og igangsetter sine egne utredninger på dette feltet, og det har vel sin bakgrunn i en litt ulik holdning. På den andre siden har jo også nåværende finansminister, da han var fylkesmann, hatt betydelige vyer for hvordan det privat–offentlige samarbeidet kunne utvikles, men det er vel mer eller mindre forlatt nå. Saksordføreren pekte på og det synes jeg var veldig greit – at det faktisk var noen fordeler knyttet til det privat–offentlige samarbeidet. Ikke minst gjaldt det gjennomføring og tid. Hvorfor skal vi da ikke utrede dette bedre, se hvilke muligheter som ligger der? Det er helt greit at vi har penger nok, det er ikke det det står på. Men det kan jo også hende at man får noen effekter av et samarbeid mellom det private og det offentlige på denne sektoren som alle tjener på. Det er det vi fra Kristelig Folkepartis side er interessert i å finne ut av, både når det gjelder denne saken og neste sak, og vi anbefaler de mindretallsinnstillingene vi er med på. Da har presidenten registrert støtte til mindretallsforslaget i neste sak, og presidenten er glad for effektivitet i offentlig sektor og i Stortinget. Mye er

bunn og grunn er reelle prioriteringer innenfor en ansvarlig ramme som er avgjørende. Det er politisk kjedelig å bevilge penger til vedlikehold i stedet for å bevilge dem til nye, spennende tiltak, men det kjedelige er av og til strengt nødvendig. Selv om det ikke er noen «raske løsninger», må det være lov å tenke litt annerledes enn det som gjøres fra regjeringen og regjeringspartiene. Der er gjennomgangstonen at alt som skal gjøres, skal gjøres, skal gjøres som det er gjort før, og alt skal utføres og gjennomføres i offentlig regi og under offentlig kontroll. Som jeg og Venstre påpeker i innstillingen, må utfordringene ses i en helhetlig sammenheng mellom økonomiske prioriteringer og vilje til modernisering av offentlig sektor, bl.a. når det gjelder kommunestrukturen. Jeg vil peke på at økt bruk av OPS – jf. neste sak vi skal behandle – innføring av nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen og forslaget fra regjeringen Bondevik II om en effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk kan frigjøre midler som kan brukes på å dekke inn deler av vedlikeholdsetterslepet. Regjeringens manglende vilje til å gå inn i disse moderniseringstiltak gjør at utfordringene med vedlikeholdsetterslepet i hvert fall ikke blir enklere de kommende årene. Venstre foreslår at forslaget fra Fremskrittspartiet vedlegges protokollen. Vi kunne isolert sett stemt for forslaget om at det bør utarbeides en plan for innhenting av vedlikeholdsetterslepet, men mener at litt for mange av premissene i forslaget ikke gjør det hensiktsmessig. Vi er likevel undrende til at regjeringspartiene totalt avviser forslaget om en samlet plan, men er bombastiske på at det bare trengs sektorplaner. Vel, alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland så treffende sa det. Derfor mener jeg, og Venstre, at det bør vurderes om det ikke, f.eks. i forbindelse med neste statsbudsjettframlegg, bør legges fram en skisse for en samlet plan for innhenting av vedlikeholdsetterslepet. Jeg tar med dette opp Venstres forslag i innstillingen. Da har representanten Borghild Tenden tatt opp det forslaget hun refererte til. Vedlikehold er viktig. Det tror jeg vi fort kan bli enige om fra alle partier. Det å la gode investeringer forfalle er ingen god politikk. politikk. Dessverre er det slik, som andre har vært inne på, at over tid har ting ikke blitt vedlikeholdt godt nok. Jeg tror også det er viktig når en skal gå videre framover, at en lærer av det som har skjedd i fortid. Så er jeg også enig med dem som sier – for å si det med glimt i øyet – at det liksom er mer stas å klippe en snor på et si takk for jobben til dem som har pusset opp en skole, eller til dem som har asfaltert en dårlig veistrekning. Men jeg tror vi må komme dit hen at vi kanskje har større fokus på hvor viktig det er å vedlikeholde det som vi har, på en god måte. Så mener jeg at dette er noe som vi jo i stor grad kan håndtere gjennom det vi kaller sektorplaner.

Jeg har tolv års erfaring så langt som fylkesmann og har hatt både utstrakt samarbeid og utstrakt kontakt med kommunene mine i Hedmark. Er det noe jeg har vært veldig tydelig på, så er det behovet for at en diskuterer vedlikehold samtidig som en ser på og diskuterer nye investeringer i ulike ting i kommunen. I tillegg til det har jo også staten, kommunesektoren, kommet opp med statlige lånemuligheter til skolebygg, kirker o.l. for å øke vedlikeholdet i den kommunale sektoren. Så er det også slik at regjeringen satser betydelig på vedlikehold. Et eksempel er Nasjonal transportplan som vi nå er inne i, der i forhold til de rammer som lå inne fra regjeringen Bondevik II i den planen de la fram for 2006–2015. Så tar jo også forslagsstillerne opp en lang rekke andre forhold. OPS får vi komme tilbake til i neste sak. Jeg vil også henlede oppmerksomheten på at en i forbindelse med Gul bok i 2007 diskuterte lånefinansiering, periodisering mv. av statens utgifter, og at en la til grunn at en ikke skulle ha særlige budsjettordninger utover det som er i statsbudsjettet for statlige investeringer. Vedlikehold er jo så mangt. En viser her til en undersøkelse som Rådgivende Ingeniørers Forening har lagt fram om de mer harde investeringene. Men jeg vil gjøre oppmerksom på, de mer harde investeringene. Men jeg vil gjøre oppmerksom på, og det står også i det brevet jeg har sendt til komiteen, at 75–80 pst. av nasjonalformuen, litt ettersom hvordan en regner på det, er det vi kaller humankapital, slik at det å foredle og utvikle arbeidskraften er kanskje også en vel så viktig del av det arbeidet vi skal gjøre framover for å øke verdiskapning og produksjon i Norge. Jeg tror det er vanskelig på en måte å se for seg at en skal lage skiller mellom det som kan være myke og harde vedlikeholdsutgifter. Det er viktig det vi gjør på utdanningssiden, på på helsesiden for å sørge for at en til enhver tid har den beste og mest kompetente arbeidskraften. Kontantprinsippet er et godt prinsipp. Det prinsippet har tjent oss vel over mange år, og jeg ser ingen grunn til at vi skal tukle for mye med et system som viser seg å fungere på en god måte. Det er faktisk slik at det er ganske fornuftig, enten det er statsfinanser eller andre finanser, å prøve å ha så god oversikt som mulig over det en har. Det å prøve å finansiere ting utenfor budsjettet, for dermed å få mer penger tilgjengelig, vil over tid være en farlig vei å slå inn på. Det åpnes for replikkordskifte. I rapporten vises det til elleve ulike sektorer der det er

redskap? Med dårlig vedlikeholdt infrastruktur er det faktisk sånn at vi har dårlig redskap. Et poeng nr. to: I sammendraget av denne rapporten slår disse rådgivende ingeniørene til lyd for følgende: «For store investeringsprosjekt bør vi utprøve andre finansieringsformer enn de vi har i dag.» Nå vet jo jeg at statsråden har uttalt seg i mange sammenhenger om hva han mente før, og hva han mener nå. Men mener han at innspillet fra Rådgivende Ingeniører som en del av verktøyet for å få vekk etterslepet på vedlikehold bare er å

at dette er viktig, men det er ikke så viktig at en kan finne ordninger som gjør at det kan finansieres utenom de ordinære budsjettprioriteringer. Budsjettet for 2011 er på 960 mrd. kr, og det må være mulig å prioritere

han var fylkesmann enn han har gjort nå etter han ble finansminister, for dette dreier seg om å få orden på et etterslep som alle erkjenner har vært der i lang tid, og som har bygd seg opp over lang tid. Og det er i den sammenheng vi da har tillatt oss å si: La oss gjøre dette med et fond som kommer i tillegg til de ordinære bevilgninger, for å få orden på dette etterslepet. Det som er interessant for oss å få vite av finansministeren nå, er: Er dette et ideologisk spørsmål, først og fremst, for regjeringen, eller er det et faglig spørsmål som gjør at man ikke vil støtte oss

bevilgninger, først og fremst, til vei og jernbane. Det kom jo i Nasjonal transportplan. Så er det vel slik at det går an å innrømme at jeg var litt mer rusten da i forhold til de mer budsjettekniske ting, som jeg mener er viktig. Det var bra å få frisket opp det. Men så er det slik, som jeg også ga som svar på den forrige replikken, at slik, som jeg også ga som svar på den forrige replikken, at ja, vedlikehold er viktig. Men jeg mener at det faktisk er så viktig at vi bør prioritere det også opp mot andre ting som vi gjør i statsbudsjettet. Jeg mener at det å lage ordninger som kommer på yttersiden av statsbudsjettet, det være seg fondsordninger eller andre ting, gjør at en over tid vil miste oversikten over den totale pengebruken i budsjettet. Derfor er ikke det en god ordning.

Har statsråden i det hele tatt noen ideologiske sperrer mot et slikt samarbeid, eller er det et spørsmål om hva som konkret er mest hensiktsmessig i den enkelte sak? Når man diskuterer dette, blir det ofte satt i en Men det er jo faktisk et ganske utstrakt samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet f.eks. i veibygging. Det brukes en lang rekke private firmaer. Det er jo anbud som blir satt ut, og jeg ser for meg at det sammen med de store, tunge aktørene, f.eks. på veisiden, er mulig å prøve å utvikle nye kontraktsformer som strekker seg fra vedlikehold, investeringer, drift m.m. for å få en mer effektiv bruk av de midlene vi har. Der tror jeg det er en del å hente. Jeg er også villig til å søke litt i de baner, men derimot å lånefinansiere store prosjekter utenfor statsbudsjettet der man har liten oversikt over de framtidige uttellinger, er noe som nok vil sitte

etterslepet på offentlege bygg og infrastruktur er oppe i 800 mrd. kr. Dårlegast stilte er kommunale bygg, avløp, riks- og fylkesvegar samt jernbane. Det er stor fare for at etterslepet òg vil vekse i framtida. I mange kommunar er det så gale at dei nesten har slutta med å løyve pengar til vedlikehald på driftsbudsjettet. Mange kommunar finansierer vedlikehald med lån og kallar det for investering. No er kommunane si gjeld likevel så stor at sannsynlegvis set ein stoppar for denne måten å finansiere vedlikehald på. Då får vi ein endå verre situasjon i åra som kjem. Når regjeringspartia og regjeringa skryter hemningslaust av kor mykje frie midlar som er løyvde til kommunane sidan regjeringa tok over i 2005, er det meg ei gåte at ikkje lokalpolitikarane finn rom for å ta igjen Kan dette ha noko å gjere med at lokalpolitikarane ikkje har desse frie midlane til rådigheit, fordi kostnadane sidan 2005 er så store at våre lokalpolitikarar vert sitjande igjen som svarteper, og ikkje klarer å forklare sine innbyggjarar kvar skrytemidlane til regjeringa har vorte av? Forslagsstillarane til forslaget som vi behandlar no, peikar på ei rekkje tiltak som og ta igjen etterslepet. Desse forslaga er etter mitt syn gode tiltak som dersom dei vert gjennomførte, vil medføre at ein over tid kan fjerne vedlikehaldsetterslepet. Eit nytt rekneskapssystem for offentleg sektor der m.a. avskrivingar vert ein del av rekneskapen, vil etter mitt syn gje ei mykje betre oversikt over kommunane si økonomiske stilling. Eg registrerer at eit fleirtal, med unntak av Framstegspartiet og Venstre, ikkje deler forslagsstillarane sitt syn på at etterslepet har si årsak i ein stor offentleg sektor med mange tilsette, og politikarar som ikkje har kompetanse på eigedomsforvaltning. Alle, med unntak av Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, peikar på at det handlar om prioritering. Eg må då spørje: Kvifor har ikkje desse fleirtalspartia teke kontakt med sine respektive lokalpolitikarar fortalt dei kva som vert venta av dei? Eg er redd for at vedlikehaldsetterslepet berre vil auke i åra framover. Hovudårsaka til dette er etter mitt syn at regjeringa ikkje er interessert i å nyttiggjere seg Framstegspartiets løysingar – løysingar som ville medverke til å fjerne det enorme vedlikehaldsetterslepet.

Pengemangel er et spørsmål som dukker opp når vi står overfor et så omfattende vedlikeholdsetterslep som det som er avslørt av denne rapporten. La meg da minne om at det dreier seg om offentlig infrastruktur. Veldig mye av det som er i offentlig eie, vil nok fortsatt være i offentlig eie fremover, så vi må finne verktøy og grep som kan gjøre noe med det. Til pengemangelen: Det er altså bebudet et overskudd på statsbudsjettet for neste år på over 150 Vi vil ha et fond ved utgangen av året på over 3 000 mrd. kr. Jeg tror at for folk flest er det litt vanskelig å forstå at den hellige budsjettbalansen til enhver tid skal defineres av regjeringen slik at man ikke har råd til en krone mer til vedlikehold. Det mener Fremskrittspartiet er feil. mener Fremskrittspartiet er feil. Fremskrittspartiet mener at vi er et rikt land, at vi bør ta oss råd til å ruste opp infrastrukturen, at det er et viktig grep også i et generasjonsperspektiv, og at vi sørger for å ha godt verktøy – for det er offentlig infrastruktur – også for kommende generasjoner. I den sammenheng henger dette forfallet rett og slett ikke på greip, når vi er så rike som vi er. Fremskrittspartiet vil bl.a. ha fond. Det er en av de løsningene vi har pekt på. Vi gleder oss over at vi når vi har snakket om fondsløsninger og etablering av fond, etter hvert har fått tilslutning og støtte fra Høyre. Det er vi glad for. Nå håper vi også at andre av opposisjonspartiene vil komme etter og være for fondsløsning. Så avviser finansministeren at låneordning til staten er nødvendig, men samtidig viser man til at det er etablert låneordning for kommuner og fylkeskommuner. På akkurat samme måten kunne man altså gjøre det

Men det er en løsning som ville gjøre det mulig å få fart på både investering og vedlikehold. I så måte er Avinor et godt eksempel på akkurat det. Det peker jo også disse ingeniørene på i rapporten sin, at det eneste avviket vi finner, er nettopp på luftfart og Avinor, som har en egen modell for

vedlikeholdskostnadene har økt med nær 100 pst., og han får det til å høres som om det er Høyre og Fremskrittspartiets skyld. Ja, det er mye man skal ta inn over seg! Hvis han hadde lest sin egen regjerings konjunkturrapporter og sett litt på hvordan kostnadsøkningen har vært innenfor denne sektoren generelt sett, også for investeringer, ville han ha oppdaget at den har vært eksepsjonelt høy,

betingelsene knyttet til avtalene er vesentlig endret. Dette vet selvfølgelig Langeland, men det er ikke betimelig å nevne det i et litt retorisk innlegg, selvfølgelig. Det er litt interessant at når han drar den saken videre, får vi nærmest en forståelse av at han vil reversere Mesta-organiseringen og gå tilbake til egen vedlikeholds- og utbyggingsavdeling hos Statens vegvesen. Det er det jo ingen som hindrer denne regjeringen i å gjøre. De har jo flertall i denne salen. De kunne ha gjort det i fem–seks år på rad. Da forstår de fleste som leser dokumentene, at SVs syn i denne sammenheng ikke er sammenfallende med regjeringens syn. Regjeringen har snarere tvert imot i det statsbudsjettet vi har behandlet nå i høst, vært veldig tydelige på at de anbefaler ikke å gå tilbake til den gamle organiseringen, nettopp av grunner som jeg har anført. Jeg vil anbefale Langeland å lese regjeringens egne dokumenter. Det kan han ha stor glede og nytte av, tror jeg. Så har jeg noen få sekunder igjen. Jeg lurer på om jeg bare skal knytte en liten kommentar til Lundteigen, som sa at vi ville ha fond til erstatning for årlige bevilgninger. Det er ikke riktig. Vi vil ha et fond for å møte den enorme utfordringen som ligger i det store etterslepet. Når det store etterslepet er tatt igjen og vi er på hjul, får vi vurdere om det er riktig å ha det fortsatt.

Det blir derfor et paradoks for meg at Høyre nå mener at «det er viktig med økt fokus og oppmerksomhet rundt å ta vare eksisterende infrastruktur», som det står i merknaden. Arven etter Bondevik-regjeringen var et stort antall påbegynte prosjekter på vei og jernbane og en ytterligere forringet infrastruktur. Så hvor var fokus når det gjaldt å ta vare på eksisterende infrastruktur i de årene Bondevik-regjeringen styrte? Fokus var på snorklipping og ikke vedlikehold. Vi opplever nå store problemer på jernbanen grunnet det vedlikeholdsetterslepet som er kommet fram etter mange år med skiftende regjeringer, og som skiftende regjeringer må ha ansvar for. Det er et etterslep som har gått så langt at det nå er full stopp på enkelte strekninger, slik jeg har opplevd det i Oslotunnelen. Denne regjeringen har tatt tak i dette og bevilget mer midler til vedlikehold enn det som var forutsatt i den NTP-en som Bondevik-regjeringen la fram.

har jeg merket meg at Høyre har kuttet i vedlikehold og drift på jernbanen i neste års budsjett. Det er mulig de vil kompensere gjennom det fondet de snakker om, men foreløpig er ikke det synlig hva de tenker seg. Det er et dårlig signal for vedlikeholdet på jernbanen at Høyre faktisk kutter i dette budsjettet. Det blir også et underlig signal i dagens debatt.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

Vi skal behandle et forslag fra Høyre om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av OPS i Norge. I forslaget vektlegges det at det er mange store offentlige byggeprosjekter som skal settes i gang framover, og at det er store etterslep på vedlikeholdssiden. Det pekes videre på at økonomien setter klare grenser for hvor mye de offentlige utgiftene kan øke, og at hvis vi skal unngå at oppgaver står uløste, må

og som det ikke bare er positive erfaringer med, noe Høyre overser i begrunnelsen for sitt forslag, til tross for offentlig kjente evalueringsrapporter og negative tilbakemeldinger i enkelte andre land, som regjeringen har lagt til Jeg er enig med forslagsstillerne i at oppgavene er mange, og at økonomien setter klare grenser for hvor mye de offentlige utgiftene kan øke. Hvordan vi skal sikre velferdssamfunnets bærekraft er imidlertid en debatt som ikke har entydige svar, og som pågår mellom både politiske partier og andre samfunnsaktører innenfor flere av Jeg mener det ut fra dette er underlig at forslagsstillerne kun fokuserer på OPS som løsning for å skape bedre og mer effektive tjenester og sikre velferdssamfunnets bærekraft. NHO f.eks., som forslagsstillerne viser til, fokuserer i sin rapport «Raskere og smartere samferdselsutbygging» som en fellesbetegnelse for finansieringsløsninger som sikrer bevilgninger til hele prosjektet ved oppstart. NHO vektlegger målsettingen om sammenhengende og forutsigbar utbygging og finansiering, og anbefaler å prøve ut former som er enkle å gjennomføre og politisk lite kontroversielle. Regjeringen er opptatt av å sikre et bærekraftig velferdssamfunn gjennom alle de prioriteringer den gjør. Det er derfor viktig både hva vi prioriterer å bruke fellesskapets ressurser på, og å utnytte disse best mulig. Regjeringen legger vekt på å føre en ansvarlig økonomisk politikk innenfor handlingsregelen. Dette mener regjeringen undergraves dersom deler av statsutgiftene finansieres utenom det ordinære budsjettet og skyves til framtidige budsjettår, slik erfaringene med OPS er. En målsetting vi deler med forslagsstillerne, er å få bygget ut større samferdselsprosjekter sammenhengende og med forutsigbar finansiering. Regjeringen Stoltenbergs svar på dette er en offensiv transportplan der det for det første prioriteres å bruke mer penger på samferdsel enn noensinne. For det andre prioriteres det å prøve ut og få vurdert nye, moderne løsninger for både planlegging, organisering og finansiering av samferdselsprosjekter, også nye og moderne infrastrukturløsninger som f.eks. høyhastighetsbaner. Regjeringen har i forkant vurdert flere alternative finansieringsmodeller for utbygging av infrastruktur. OPS er utprøvd på tre veiutbyggingsprosjekter i NTP 2002–2011. Regjeringen har engasjert TØI og Dovre International AS til å evaluere disse, og erfaringene så langt viser at OPS-modellen har gitt raskere prosjektgjennomføring, og at kombinasjonen utbygging og drift har vært positiv. Men det er ikke mulig å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring, og hypotesen om optimalisering av livssykluskostnadene kan ikke bekreftes. Tvert imot peker evalueringen på at OPS-selskapets monopol på å gjennomføre endringer i veianlegget, er en stor utfordring og kan medføre økte livssykluskostnader. OPS binder i tillegg opp store midler i de årlige budsjetter og minsker handlingsrommet – det har flere regjeringer erfart i kjølvannet av finanskrisen. Derfor er det behov for en prosjektfinansiering som gir mer forutsigbar og økonomisk ansvarlig finansiering. Regjeringen har for det første prioritert å bruke mer midler enn noensinne på samferdsel. I tillegg er tre samferdselsprosjekter satt på egen post i budsjettet – E6 vest for Alta, E16 og jernbaneprosjektet Oslo–Ski – noe som skal gi sammenhengende og forutsigbar utbygging og finansiering av de utbyggingsprosjektene. Jeg mener vi i tillegg til å fokusere på organisering og finansiering må fokusere på selve beslutningsgrunnlaget for investeringene, nemlig Nasjonal transportplan. Dagens plan er et godt skritt på veien til å få en helhetlig transportplan, men vår utfordring er å se behovene i sammenheng og bygge ut, drifte og vedlikeholde et sammenhengende transportsystem her i landet. Der må neste plan bli bedre. Dette er å jobbe framtidsrettet og løpende med nye og moderne løsninger for å sikre velferdssamfunnets bærekraft også i

like mye i utakt med egne velgere på dette feltet, som de er det angående privatisering og konkurranseutsetting. Vi har nettopp fått en påminnelse om det gjennom en fersk undersøkelse. Handlingsregelen og det finanspolitiske handlingsrommet undergraves dersom deler av statsutgiftene finansieres utenom det ordinære budsjettet, sier flertallet. Det er langt fra et korrekt bilde. Samfunnsøkonomisk viktig fornyelse av infrastruktur, grunnlag for styrket konkurransekraft og økt verdiskaping undergraves dersom vi ikke klarer å legge til rette for at viktige utbyggingsprosjekt finansieres som investering og ikke som løpende utgift. Fornyelse undergraves og forsinkes om vi ikke bruker verktøy som prosjektfinansiering og Offentlig Regjeringen har ingen offensiv transportplan for perioden 2010–2019. Riktignok økes pengebruken betydelig, noe annet ville være oppsiktsvekkende. Denne regjeringen har mer penger til disposisjon enn noen annen regjering har hatt. Selvsagt skal og må rammen til nødvendige investeringer i vei og jernbane da økes i forhold til det store behovet, men regjeringens plan møter ikke det behovet. Det vil ta 50–70 år med regjeringens såkalte offensive tempo for å få modernisert vei- og jernbanenettet i Norge. Regjeringens transportplan er derfor en venteliste for veier og for jernbaneprosjekt. Regjeringen har endringsvegring og dogmatisk motstand mot å utvide bruken av gode løsninger. Gjennom evalueringer er det vist at bruken av OPS-prosjekter i Norge gir positive effekter, og det er også undersøkelser fra andre land i Europa som viser at det er et godt verktøy innenfor mange ulike sektorer. Et hovedargument mot å øke gjennomføringstakten i investeringsprogrammet ved å bruke nytt verktøy er begrunnet med at man da binder opp budsjett, og at det såkalte handlingsrommet reduseres. Det kan delvis være riktig, men avhenger både av organisering og finansiering. Det som åpenbart er riktig, er at regjeringen heller vil ha mange prosjekter på venteliste enn å ha mange prosjekter under bygging. For hva betyr nei til «å binde opp handlingsrom»? Jo, det betyr at man utsetter bygging av prosjekter man utsetter bygging av prosjekter man egentlig ønsker å bygge, og begrunnelsen blir at handlingsrommet er viktig. Det blir et rom uten handling. Fremskrittspartiet vil ha handling, derfor vil vi bruke nytt verktøy. Representanten Arne Sortevik har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er

Det er godt, for da slipper jeg å glemme det. Det vi kan være enige om, er at det er viktig å sikre velferdssamfunnets bærekraft. Der er vi helt enige med saksordføreren. Men det er jo i et slikt lys underlig at de rød-grønne ikke bare har allergi mot private og en aversjon mot modernisering, men også nærmest mot ethvert alternativ til de måtene vi løser utfordringene på i dag.

men det kan tilpasses mange samfunnssektorer og mange utfordringer – det er nok bare å nevne skole, jernbane, sykehjem, veier, og i Sverige prøver man sågar på utbygging av sykehus. Men vi konstaterer, som foregående taler også sa, at vi har en regjering som har en dogmatisk holdning til og motstand mot OPS.

den eneste løsningen. Men OPS stimulerer til konkurranse og kreativitet og er således veldig viktig og helt sentral for å få effektiv ressursbruk i samfunnet, som flertallet påstår at de er så opptatt av. Men uten å stimulere til konkurranse, kreativitet og nye måter å løse utfordringer på i alle ledd tør jeg påstå at man også kommer «på hæla» – eller bakpå – når det gjelder å få effektiv ressursutnyttelse. Jeg konstaterer med ganske stor tilfredshet at mange rød-grønne politikere nå skriver leserinnlegg der man faktisk bruker mal for at man har blitt effektiv i dagens gjennomføring av samferdselsprosjekter, og bedre mål på at OPS-prosjektene til Bondevik II- og Høyre-regjeringen var gode prosjekter, får man neppe. Så OPS har vist sin berettigelse, det har også TØI dokumentert. Det skriver også flertallet godt om i sin merknad. Så litt til gjeldskrisen i Europa,

man antyder at flere land i Europa har forsøkt å lure seg selv gjennom å bruke OPS. Jeg vet jo ikke om det er riktig – flertallet får selv ta ansvar for sine beskrivelser – men i så fall er det ikke metodens feil, det er jo politikkens utfordring. Således faller det jo på stengrunn å bruke det som et argument mot OPS. Men det man kan si, er at Europa har fått mange erfaringer med bruk av OPS som vi kunne dra nytte av, hvis vi fulgte med på hva erfaringene faktisk har vist, for jeg tror vi skal være enige om at det er åpenbart at om OPS er egnet, har med størrelse, kompleksitet og type prosjekter å gjøre. Så det er kanskje ikke en metode som passer på alt. Det erkjenner forslagsstillerne også. Det er litt underlig, for det er flere private aktører som følger ganske nøye med på hva som skjer i Europa, og det at man ikke stilte til høring, tror jeg mer har med regjeringens dogmatiske holdning å gjøre enn at man ikke er interessert. Det er ganske åpenbart. Så til slutt: Flertallet legger vekt på en ansvarlig politikk. Her er vi helt enige, det har vi sagt Men samtidig – når man sier at man er så kry av å komme på 4 pst.-regelen – kan det være grunn til å minne om hva handlingsregelen inneholdt i tillegg, og det var at det handlingsrommet som 4 pst.-regelen skapte, skulle gå til kunnskap, til samferdsel og til vekstfremmende skattelettelser. Der har NHO påvist at under dagens regjering går 1,5 av 10 kr til den type investeringer, og under den forrige regjeringen gikk faktisk 9 av 10 kr til den type investeringer. Det litt underlige med debatten i dag er at man ikke har registrert den utålmodigheten som er ute. Jeg tror de rød-grønne gjør en stor feil når de prater mer mot våre løsninger enn å fokusere på å skape egne løsninger – for det har de åpenbart et behov for.

utvikle en nasjonal strategi for å utvide bruken av OPS som metode, som det heter. Det sies videre at det er «underlig at flertallet synes å ha en dogmatisk holdning til at OPS ikke skal benyttes». For Senterpartiet er kjernen i OPS privat finansiering, og privat finansiering må bare være aktuelt fordi det er knapphet på statlige investeringskroner. Når knapphet på investeringspenger blir for stort for dem som har ansvar, kommer imidlertid privat investeringskapital, som så nedbetales med renter over mange år, som en

Fra Buskerud har jeg et godt eksempel på en sånn nødløsning. Der ble det bygd en ny høyskole i Drammen. Den ble ikke bygd av Statsbygg, men av Entra Eiendom – 100 pst. statlig eid. Det førte til høy husleie, men en husleie som var innafor handlingsregelen, samtidig som investeringen var utafor handlingsregelen, når Entra var utbygger. Samlet sett for det offentlige og staten en dyr finansieringsløsning. For Senterpartiet er det ikke noe ideologisk spørsmål om staten skal låne eller bruke egne penger. Det er jo bare et praktisk økonomisk spørsmål: Hva er billigst for å finansiere jobben?

politikken. De kommende tapene på våre investeringer i utenlandske verdipapirer vil forsterke argumentasjonen for at staten investerer mer i Norge, slik at bedre miljø, spredt bosetting og moderne, konkurransedyktige bedrifter gis bedre vilkår. Vårt budsjettsystem må ikke stå i veien for fornuftige investeringer. Det er i stor grad situasjonen i dag, og som fører til at vi får en diskusjon som vi burde vært foruten. Det er ikke første gangen vi diskuterer OPS i Stortinget det siste året. Senest i en interpellasjon 23. mars, fra representanten Halleraker, var det et tema, og det er vel ingen overraskelse at jeg ikke har endret standpunkt siden den gangen. La meg i tillegg til det si følgende: Det vi bygger på, er det bevilgningsreglementet som Stortinget selv har

En annen ting er at det er viktig av hensyn til diskusjonen om økonomiske prioriteringer at det er en åpenhet om budsjetteringen, og selvsagt at det også gir grunnlag for et helhetlig valg mellom ulike gode formål på utgiftssiden i statsbudsjettet, og for så vidt også på inntektssiden. Det andre som er en viktig forutsetning for den økonomiske

Så er det ingen tvil om at det å finansiere betydelige statsutgifter utenfor statsbudsjettet er slik som representanten Lundteigen sier: Har man mye penger i banken, så er det ikke sikkert man har behov for å låne for å gjøre viktige investeringer. Det å investere utenfor statsbudsjettet, eller det å finansiere viktige investeringer utenfor statsbudsjettet, kan slik sett undergrave den finanspolitiske Så ser jo også jeg at ett motiv for OPS kan være å prøve å gjennomføre prosjekter som ikke blir prioritert i den ordinære budsjettbehandlingen, at slike prosjekter blir framskyndet. Det ligger for så vidt også i begrunnelsen for forslaget. Men

kan være et argument at man kan få en raskere gjennomføring av prosjekter. Men jeg mener også det er andre muligheter som, i hvert fall fra mitt ståsted, er viktige å gjennomføre og se på. Det er det jeg var inne på i forrige innlegg, under forrige sak: drifts- og vedlikeholdskontrakter, rasjonell framdrift i kontrakter, å jobbe med hele anbuds- og kontraktssystemet for å sikre at man får en rasjonell og god gjennomføring av viktige investeringsprosjekter, å sette viktige prosjekter i egne budsjettposter og å ha flerårige vedtak for å sørge for at man får en god gjennomføring av f.eks. tunge samferdselsprosjekter. Svakheten er, som det også er pekt på av andre, at lånefinansiering over tid tid blir dyrere. En viktig side ved dette, som det er verdt å dvele ved, er at de som da inngår i et slikt samarbeid, ofte også får monopol på drift og vedlikehold, som i sin tur kan føre til økte utgifter. Det er jo vist til noen prosjekter i England i forslaget, og det er vel slik at særlig ett prosjekt – altså undergrunnen i London – er et dårlig prosjekt i så måte. Så min konklusjon er at jeg tror vi står oss på å bruke det systemet vi har i dag. Men vi jobber selvsagt for å forbedre det. Der mener jeg det er muligheter: nye kontraktsformer, som jeg sa, sammenhengende utbygging av

Det er noko

som kan bidra til å øke landets inntekter og velferd». I den vurderingen krever regjering og stat 4½ pst. avkastning på investering i vei, mens oljefondet gjennom mange år bare har klart 2½ pst. avkastning. Hvorfor stiller man større krav til avkastning av veibygging i Norge enn til avkastning av spekulasjon i

inn i de årlige statsbudsjett, og det er viktig å ha det med seg i den sammenhengen. Så er det også slik som jeg viste til i mitt forrige innlegg, at det er mange ting som bidrar til å øke verdiskapingen i Norge framover. Det å ha effektiv infrastruktur er en av dem. Men det å investere i arbeidskraften er etter mitt syn det aller viktigste vi kan drive med framover. Her satser regjeringen, på samme måte som vi også satser langt tyngre enn tidligere regjeringer – også på vei og jernbane.

Det har vi sett gjennom svært mange prosjekter der kostnadsoverskridelsene er store. Samtidig skjer det ganske mye nyutvikling akkurat på det området også i Europa, sånn at man kan få det beste av to verdener. Hvorfor ser ikke statsråden at det også underminerer hele motstanden mot

bruk av pengene – en mest mulig effektiv bruk av de midler en setter inn. Det er etter de veiene jeg ønsker å jobbe, for jeg tror det er mye å hente her. Det er også slik at hvis du har mye penger i banken, er det antakeligvis billigere å bruke av de pengene du har, framfor å låne, for lån skal både forrentes og tilbakebetales over tid. Jeg mener fortsatt at det å lånefinansiere, særlig gjennom private prosjekter, blir dyrere over tid. Hvis en går tilbake til det eksemplet som blir trukket fram – altså vedlikeholdsprosjektet på undergrunnen i London – var jo nettopp noe av kritikken mot det prosjektet at det ble dyrere, bl.a. uoversiktlig og dyrere over tid. Jeg vil ønske finansministeren lykke til med å utvikle nye modeller innenfor det offentlige, sånn at vi kan få lengre prosjekter og mer effektiv framdrift. Det er vi alle interessert i. Men det må jo være en åpenbar misforståelse når man sier at det ikke er behov for å lånefinansiere. Dette forslaget var jo myntet på offentlige prosjekter i Norge og å bygge opp en nasjonal strategi. Vi vet at kommuner og fylkeskommuner er nødt til det er bare staten som er rik. Igjen mener jeg det hadde vært veldig nyttig å få en hel gjennomgang av hvor og for hva slags type prosjekter OPS er en aktuell løsning, og hvor det ikke egner seg. Det kunne også blitt en god rettledning for kommuner og fylkeskommuner som ikke sitter så heldig i det som staten.

rimelige lån til rådighet for kommunesektoren på ulike områder, både til vedlikehold og investeringer. Så jeg tror vi prøver å bidra så godt vi kan, også fra statens side, til at det går bra i kommunene. Men jeg tror det er viktig at vi har en fornuftig tilnærming til å se på hvordan vi bruker offentlige midler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
De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg synes det som kommer fram i replikkordskiftet, er

er den beste løsningen. Så snakkes det mye om at dette er moderne, nye løsninger, at vi er motstandere mot å tenke nytt, mot alt det moderne. Transportkomiteen var i USA på komitéreise tidligere i høst og besøkte bl.a. Golden Gate, broa i San Francisco. Det var et OPS-prosjekt i sin tid da den ble bygd på begynnelsen av forrige århundre.

som vi nå skal sette i gang og bygge. Hadde man lagt opp det prosjektet på samme måten som Bondevik II-regjeringen la opp til å bygge Lysaker–Asker, som tre delprosjekter – som senere er blitt møtt med mye kritikk, fordi det tar lengre tid, og det er dyrere når man deler det opp i delprosjekter hadde prosjektet blitt dyrere og tatt lengre tid enn det det vil gjøre når vi ser prosjektet i en helhet. Erfaringene fra E6 Gardermoen–Kolomoen, som representanten Gundersen sikkert kjenner til, er at det prosjektet gikk raskt, og at det gikk like raskt som kontraktsformer, som finansministeren var inne på. Så etterlyste representanten Gundersen dokumentasjon på holdningene i Europa over lånebyrde. Jeg kan jo komme med den dokumentasjonen, bl.a. hva finansministeren i Sverige, Anders Borg, fra Høyres søsterparti, Moderaterna,

Vi i Arbeiderpartiet har lært av de feilene som Tony Blair gjorde i England. Kanskje Høyre skal lytte til sitt søsterparti i Sverige.

Ja, det er her hunden egentlig ligger begravet. Vi er nødt til å finne løsninger som gjør at vi oppfyller handlingsregelen i mye større grad og får en større andel til infrastruktur. Dette med OPS mener vi er ett grep. Men vi er selvfølgelig ikke enøyde bare på OPS. Vi er åpne for prosjektfinansiering, som vi har vært med på flere ganger før – det var måten vi bygde Gardermoen på f.eks. Så vi hilser velkommen

gammeldagse. Da syntes vi det var greit å bruke det som var kontrabegrepet, nemlig modernisering. Det tror jeg står seg godt. Så sier saksordføreren at det ikke kan påvises at det er lavere kostnader med OPS-prosjektene som er evaluert. Det stemmer, det står i rapporten. Men det gjelder altså for statsfinansene. Men i et samfunn der vi har ansvaret for helheten, må vi jo se på hvem det blir billigere for. for. Da skulle det ikke forundre meg om det var ganske mye billigere for næringslivet, ganske mye billigere for mange, for folk flest, som kommer seg raskere til og fra, og ikke minst med tanke på de totale kostnadene for samfunnet, ved at vi får lavere andel alvorlige ulykker som også belaster statsbudsjettet vesentlig. Sånne ting må jo regnes med. Når vi sier at denne regjeringen ikke har gjort noe vesentlig, tror jeg vi har våre ord i behold. De har altså ikke kommet med en eneste reform i løpet av de seks budsjettene som er lagt fram innenfor denne sektoren. Så litt om lånefinansiering. Etter min mening handler ikke lånefinansiering bare om det som finansministeren sier. Det handler om alternativ avkastning på kapital. Så er det jo at vi ikke driver med lånefinansiering innenfor offentlig investering i Norge. 50 pst. av veiene våre lånefinansieres – sykehjem, skoler, kirker, rentekompensasjonsordning for fylkesveier, Avinor har egen låneramme – det er realiteten. Jeg har i grunnen aldri skjønt høyrepartienes opphengthet i OPS-løsningene. Er

av prosjektet etterpå. Det er ikke noen tvil om at det er langt billigere å finansiere infrastrukturinvesteringer direkte over statsbudsjettet enn med lånekapital. Det er ingen tvil om det. Men når det allikevel er aktuelt å bruke lånekapital, som vi gjør i fullt monn i dag – det fins knapt det ikke er nok bevilgninger direkte over de årlige statsbudsjettene, og at de årlige statsbudsjettene kan bli en hemsko for å få en skikkelig drift og gjennomføring av anleggene. Og er det noe vi har lært av OPS-prosjektet, er det at tilgangen på kapital gjennom byggeperioden er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet og selvfølgelig også for kostnadene ved det. OPS-løsningen brukes først og fremst av land som ikke har tilgang til kapital, og som er nødt til å skaffe seg det utenfra. Situasjonen i Norge er jo stikk motsatt. Vi har kapital, og vi kan låne av oss selv, som stat, hvis vi ønsker det – hvilket vi også gjør. Jeg var den som på Arbeiderpartiets landsmøte fremmet og fikk vedtatt forslag om prosjektfinansiering. Med det mente vi tre former for prosjektfinansiering. Den ene, som jeg har vært en tilhenger av, er det svenske systemet, hvor faktisk låner ut penger til statlige infrastrukturprosjekt. Den andre er den vi nå har gjennomført, det jeg vil kalle fullmaktsfinansiering, dvs. at man fullfinansierer et anlegg over tid over flere budsjetter. Og den tredje er selvfølgelig den OPS-løsningen som de borgerlige er opphengt i, men som vi har høstet erfaring med, og som altså blir den dyreste. Jeg setter pris på finansministerens åpenhet overfor utradisjonelle måter å finansiere infrastrukturinvesteringer på i framtida. Det lover godt. Jeg tror det blir nødvendig når vi skal gi oss i kast med store og lange jernbaneanlegg. Bare noen korte merknader. Opposisjonen sier at OPS er

Selvfølgelig har man sørget for å utvikle metodene. Man har hatt kreative folk som har vært med og utviklet det, også før man overhodet begynte å tenke på noe som het OPS. Det høres ut på opposisjonen som om utbygging og vedlikehold av vei og jernbane i regi av dagens offentlige etater skjer uten at private entreprenører er involvert, uten konkurranse. Vi beskyldes for å ha OPS-prosjekter der kun det offentlige er involvert, er ikke sant. Vi har jo et anbudsregime som pålegger det offentlige å lyse ut alle store utbyggingsprosjekter på anbud. Staten har ikke egne entreprenører, så det er private entreprenører og underleverandører som konkurrerer om anbudene. I alle prosjekter kan det avsettes penger til forskning og utvikling. Det gjøres og utføres i samarbeid mellom den offentlige byggherren og den private entreprenøren. Det skjer altså mye kreativt også i dagens Den rød-grønne regjeringen har en dogmatisk holdning til OPS, sier opposisjonen. Det er også en underlig påstand. Det var Stoltenberg I-regjeringen som igangsatte de tre OPS-prosjektene som er utprøvd, og den rød-grønne regjeringen som har videreført og evaluert disse prosjektene. Når den evalueringen viser at man kan oppnå tilsvarende gevinster i forhold til rask prosjektgjennomføring

bl.a. utvikle kontraktsstrategien innenfor dages utbyggingsstrategi og verne enkelte store prosjekter med egen prosjektfinansiering isteden. Nå er Samferdselsdepartementet i gang med ny NTP, som skal legges fram i 2013. Der jobbes det med vurderinger av både planlegging, finansiering og organisering videre. I tillegg er det startet arbeid med nye kontraktsformer som kombinerer akkurat det som er det positive ved OPS-prosjektene, nemlig drift, vedlikehold og utvikling av veistandarden. I tillegg har man igangsatt en vurdering av dagens kost–nytte-analyser. Det er å jobbe framtidsrettet og løpende med nye moderne løsninger for å sikre velferdssamfunnet bærekraft også i framtiden, slik som forslagsstillerne ønsker.
Neste taler er representanten Øyvind Halleraker. Presidenten registrerer at det står 1 minutts taletid på skjermen, men Halleraker har ikke hatt ordet to ganger og får dermed en taletid på inntil 3 minutter. Takk for det, president. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det unna på 1 minutt, det var derfor jeg ba om ordet til en kort merknad. Det var bare en opplysning som kom fra saksordføreren som må korrigeres, og det er at det var Stoltenberg I-regjeringen som fra saksordføreren som må korrigeres, og det er at det var Stoltenberg I-regjeringen som tok initiativ til de tre OPS-prosjektene. Det er ikke riktig. Det var den gang et flertall i Stortinget, som også Senterpartiet var med på, som gjorde det vedtaket, og regjeringen måtte selvfølgelig gjøre det som Stortinget gjorde vedtak om. Jeg synes dette har vært en interessant debatt. Jeg synes faktisk det er grunn til å være optimist med bakgrunn i noen av innleggene fra posisjonen. Jeg hadde også lyst til å hilse finansministeren fordi jeg før jeg gikk opp her i dag, leste referatet fra den interpellasjonsdebatten vi hadde, og det aller, aller siste han sa i sitt siste innlegg, var at han ville se på om det ikke gikk an å finne nye løsninger, og det ville være en del av opplegget ved neste NTP. Så jeg er optimist.

Denne saken gjelder forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler i programområde 10 på statsbudsjettet. Til flertallet av endringene har komiteen ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen. Når det gjelder kapittel 732, Regionale helseforetak, foreligger ny informasjon om endrede pensjonskostnader både for 2010 og 2011. Proposisjonen redegjør for bakgrunnen for endringene. En samlet komité merker seg at fremtidige pensjonskostnader vil bli lavere når offentlig tjenestepensjon tilpasses pensjonsreformen på bakgrunn av nye regler for regulering av alderspensjon og effekten av levealdersjustering. I første omgang gjelder beregningene årskullene 1953 og tidligere. Basert på forslag fra Norsk Regnskapsstiftelse om hvordan disse forhold skal beregnes, vil det for 2010 bli en engangseffekt med reduksjon i pensjonskostnaden i resultatregnskapene til de regionale helseforetakene på 9,25 En samlet komité gir tilslutning til at 4,8 mrd. kr av dette beløpet disponeres til å styrke foretakenes egenkapital på bakgrunn av et tilsvarende akkumulert underskudd fra perioden 2006 til 2008 som følge av Dette innebærer et positivt resultatkrav til regionale helseforetak på 4,8 mrd. kr i 2010. Temaet pensjon er komplisert, og folk flest vil ikke være kjent med f.eks. forskjellen på bokført pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie. Det blir derfor en utfordring å kommunisere i det offentlige rom at helseforetakene får et så betydelig positivt driftsresultat for 2010. En samlet komité støtter også forslaget om at den resterende kostnadsreduksjonen på 4,45 mrd. kr medfører tilsvarende nedsettelse av basisbevilgningen samtidig som

Ordningen med automatisk frikort har vært vellykket, og alle innbyggere får nå refundert sine utgifter over det såkalte tak 1. Dette har bidratt til en utgiftsvekst på 17 pst. sammenlignet med 2009. Komiteen støtter at bevilgningen på denne post settes opp med 215,6 mill. kr, som foreslått. Opposisjonspartiene har egne merknader til enkelte kapitler og vil selv redegjøre for disse. Jeg viser til saksordførerens utmerkede innlegg, og jeg tar også opp de forslagene som Høyre fremmer sammen med andre. Jeg oppfatter også at Venstre har signalisert at de støtter de to forslagene som er lagt ut i salen. Til proposisjonen: Det er verdt å merke seg at opposisjonen at en gjør endringer i kap. 718 post 70, og støtter heller ikke endring i kap. 733 post 72 – og her kommer en rettelse: post 72, ikke post 70, som det står i innstillingen – og i kap. 734 post 72. Opposisjonen mener at den inndragning som foregår her, ikke er en fornuftig inndragning, nettopp fordi dette er støtte til rusmiddelforebyggende arbeid. Det er bevilgninger på 8 mill. kr til dette formålet. Det er bevilgninger på 9 mill. kr til kjøp av plasser i opptreningsinstitusjoner, og det er bevilgninger på 2 mill. kr til utviklingstiltak innen rus Komiteen har i høst, i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, vært igjennom en flere dagers høring, der mange flotte, frivillige organisasjoner kommer på høring og presenterer spennende prosjekter som de ønsker støtte til, og jeg tror alle som sitter og hører på den type presentasjoner, forstår at dette er organisasjoner som får svært mye igjen for de veldig små offentlige kronene som de får i bevilgning. Og jeg tror at de fleste som sitter og hører på den høringen, vil tenke at det hadde vært kjekt å ha den ekstra millionen, det hadde vært kjekt å ha de ekstra 500 000 kronene å gi til den organisasjonen. I dag vil altså stortingsflertallet redusere den type bevilgninger med 8 mill. kr til rusmiddelforebyggende arbeid, 9 mill. kr til opptrening og 2 mill. kr til utviklingstiltak innen rus og psykiatri. Den eneste grunnen jeg kan se til at man gjør dette, er at forvaltningen ikke har vært i stand til å behandle alle de søknadene som er kommet inn på dette området, for det kan umulig mangle på prosjekter. Og er det slik at det er noen søknader som ikke er kommet

både på rusmiddelforebyggende områder, innen opptrening og utviklingstiltak innen rus og psykiatri. Så er det i salen fremmet to forslag som dreier seg om det temaet som saksordføreren er inne på når det gjelder pensjonsutgifter. Og jeg må slutte meg til saksordføreren når han sier at dette er et komplisert område, så jeg skal ikke prøve å redegjøre for det på en bedre måte enn det saksordføreren gjorde. Men det som er Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiets, og etter det jeg forstår, også Venstres, bekymring i denne saken, er at proposisjonen kun redegjør for de offentlig eide foretakenes situasjon, men gir ingen føringer for hvordan de private samarbeidspartnerne skal behandles på dette området. Det er det stor bekymring for. Veldig mange av de private samarbeidspartnerne på dette området har opplevd at de har hatt pensjonsutgifter på samme i perioden 2006–2008, som ikke har blitt kompensert, og som dermed har hatt stor betydning for deres egenkapitalsituasjon. Derfor ville det vært veldig bra om vi nå politisk kunne avklare at disse nå ble behandlet på samme måte som de offentlige foretakene for 2010. Og så sier også proposisjonen noe som er fornuftig, nemlig at siden en ikke kjenner de endelige tallene for 2011, vil en komme tilbake igjen i revidert nasjonalbudsjett når det gjelder spørsmålet om justering av pensjonskostnadene for de offentlige foretakene for 2011. Opposisjonen mener at det bør en også gjøre når det gjelder de private aktørene, for det er stor usikkerhet

de regionale helseforetakene er kjent med at vi i brev til private aktører har uttalt at disse i størst mulig grad vil bli håndtert på samme måte som de offentlige helseforetakene når det gjelder pensjonskostnader. Så intensjonen i det forslaget som representanten Høie fremmet – det første av forslagene – anses ivaretatt.

ho.

er det reelt å

må

egentlig det samme

å gå på

for denne måten

etter ulykka i

vi
president!

på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslagene er omdelt på representantenes plasser i salen. Presidenten gjør oppmerksom på at Bent Høie etter at debatten var slutt, har bedt om at forslag nr. 1 gjøres om til et oversendelsesforslag. Forslaget lyder i endret form: «Det henstilles til regjeringen å sikre at ideelle og andre private institusjoner likebehandles med

Det skal så voteres over kap. 718, 733 og 734 post 72. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot. Det gjelder også Venstre? – Det nikkes. Presidenten hører fra sidelinjen at en av de andre presidentene mener at det er en sak som faktisk ikke har vært til behandling i dag, som

Presidenten hører fra sidelinjen at en av de andre presidentene mener at det er en sak som faktisk ikke har vært til behandling i dag, som nå har vært oppe til votering. Det vil altså si at det er en sak som muligens ble hoppet over på dagens kart tidligere. Line Henriette Hjemdal, vær så god.
vi har diskutert rikets energitilstand. Det stemmer at den har blitt behandlet av energi- og miljøkomiteen i dag, men de papirene som ligger i sak nr. 4, er en sak som dreier seg om verning av vassdrag. Så innstillingen og papirene vi forholdt oss til, er ikke den saken som vi stemte over. Dermed fikk min gruppe feil stemmeangivning. Presidenten tror at hun vil foreslå at vi annullerer voteringen under sak nr. 4. Kan forsamlingen gå med på

Ketil Solvik-Olsen har bedt om ordet. Representanten Ketil Solvik-Olsen mener at det bare er overskriften i saken som er feil. Alt skulle da være under kontroll, og vi kan gå til sak nr. 13. Det foreligger ikke noe referat. Er det noen som forlanger ordet før møtet heves?